Det er heller ingen tvil om at det tenkes mange kloke tanker i Kristelig Folkeparti om frivillighetens betydning for samholdskraft og den sosiale kapitalen i samfunnet. Først vil jeg avvise en myte som Høyre og Fremskrittspartiet møysommelig prøver å spre, at det er i skjæringspunktet mellom Kristelig Folkeparti og høyrepartiene at det frivillige Norge har sin fremste politiske støtte. En slik påstand med å sitte ved skrivebordet og lage modeller som viser at det regner ute, mens man ved å kikke ut av vinduet ser at sola skinner fra blå himmel. For hva er det vi ser om vi løfter blikket ut av denne sal og ut mot det norske samfunnet 2011? Jo, vi ser et Norge der frivilligheten blomstrer som aldri før. Den store økningen i tallet på festivaler av ulike typer, markedsdager og andre lokale mønstringer de siste årene er kanskje det mest slående eksempelet. Imponerende arrangementer gjennomføres. Hele lokalsamfunn av frivillige mobiliseres til dugnad. Folk får gode kulturopplevelser. I tillegg styrkes lokal identitet, stolthet og troen på egne evner til å utrette noe stort i fellesskap. Nye møteplasser mellom ulike mennesker blir skapt, og båndene mellom mennesker styrkes. Dette handler selvsagt om initiativ fra lokale ildsjeler, men det handler også i høyeste grad om politikk og hvilke verdier ved samfunnet vi som politikere legger vekt på å søke å bygge videre på. For Arbeiderpartiet var og er Kulturløftet et gjennomtenkt og ambisiøst verdivalg. Det skriver seg fra en grunnleggende oppfatning av hva vi forbinder med begrepet «det gode samfunn». Jeg leser en tilsvarende søken etter det gode samfunn i representantforslaget fra Kristelig Folkeparti. Jeg leser en analyse som jeg i all hovedsak deler. De ideelle aktørene og frivilligheten i sine ulike former må ha en betydelig plass i det samfunnet vi ønsker oss. at grunnleggende velferdsgoder ikke kan overlates til frivilligheten alene. I den forbindelse er det påfallende, men ikke overraskende, at Høyre og Fremskrittspartiet i innstillingen reserverer seg mot avsnittet der det påpekes at en sterk offentlig sektor ikke står i motsetning til den frivillige og ideelle virksomheten. Regjeringspartiene står derimot sammen med Kristelig Folkeparti på I dokumentet trekker forslagsstillerne fram hvordan Kirken og arbeiderbevegelsen var tidlige eksempler på frivillige sosiale aktører og bevegelser. Det er helt riktig. Men som vi alle vet, det var først da disse bevegelsene lyktes med å gjøre sine helsetilbud og trygdeordninger til allmenne nasjonale ordninger, at samfunnet vårt gikk over i en ny tid preget av trygghet og verdighet for det brede lag av folket. som ønsker å svekke dette særpreget ved Norge, og i den forbindelse peker på frivilligheten som et alternativ, hører ikke hjemme i denne stolte tradisjonen. Høyre og Fremskrittspartiet ønsker et samfunn med større forskjeller. Da hopper de bukk over at økte forskjeller vil føre til mindre tillit og svekket sosial kapital. I Norge har vi tradisjon for at vi i de store sakene finner fram til felles politikk på tvers av partigrensene. Jeg vil invitere til en prosess i Stortinget, særlig når det gjelder Kristelig Folkepartis første forslag, men også når det gjelder helheten i dokumentet. Jeg tror alle er nysgjerrige på hvorledes sosial kapital og frivilligheten i realiteten kan bli samfunnspolitiske mål. Til det trenger vi bedre tid og grundigere prosesser enn det som Dokument 8-forslaget gir anledning til. Jeg vil i et senere innlegg komme tilbake til hvordan vi ønsker å håndtere enkelte av forslagene, men minner om at dette er en debatt som ikke må avsluttes i dag, men som må pågå i lang tid framover, fordi vi deler noen felles verdier her, i skjæringspunktet mellom de rød-grønne partiene og Kristelig Folkeparti, og vi håper på et godt samarbeid om det framover.
Neste taler er representanten Olemic Thommessen.

Det handler om det sivile samfunnets plass i det totale bildet i vår samfunnsstruktur, altså det å oppfatte det sivile samfunnets fellesskap, frivillighetens fellesskap – alle de fellesskap som lever livet gjennom – som et felt, en verdi, til forskjell fra staten og offentlig sektor, og i og for seg også i noen grad til forskjell fra næringsliv og privat verdiskaping. Selv om jeg synes det er noe rusk i maskineriet når det gjelder enkelte av de forslagene som er fremmet her, opplever jeg Kristelig Folkepartis langsiktige politikk, de lange linjer i politikken, som en politikk som nettopp baserer seg på det sivile samfunns selvstendighet og integritet, det å anerkjenne det sivile samfunn som noe annet enn stat og offentlige instanser. I dette ligger, synes jeg, styrken i det totalforslaget som er fremlagt. Det er også Høyres utgangspunkt. Vi ønsker et sterkt sivilt samfunn. samfunn. Det betyr at vi i et samfunn som har en sterk stat, som har tilskuddsordninger, og som har virkemiddelapparater opp mot nær sagt alle områder, må være nøye med hvordan vi tilpasser disse virkemiddelapparatene i forhold til det å gripe inn i den selvstendighet det sivile samfunn skal ha. Det betyr at vi heller enn å komme med konkrete forslag, innspill og pålegg om gitte ønsker av politisk karakter, ønsker oss løsninger for en god momsordning og en god overordnet politikk for rammebetingelser av praktisk karakter, altså ting som ikke virker instruerende og påvirkende for hvordan frivilligheten skal utvikle seg. Det betyr ikke at man ikke skal kunne samarbeide med frivilligheten om konkrete konkrete forhold innenfor helse, kirke eller andre områder. Men det betyr at initiativet i størst mulig grad bør bli liggende hos frivilligheten. Det betyr også at man skal ha en viss varsomhet i bruk av føringer når det gjelder offentlige tilskudd og offentlige målsettinger. Årsaken til at vi ikke går inn i mange av disse forslagene, som jevnt over er gode forslag, er nettopp at vi finner dem for konkrete. Vi mener det virker litt instruerende overfor frivilligheten hvis vi legger oss på den type forslag. Ellers er vi opptatt av at det offentlige har en god samarbeidsflate mot frivillig sektor. Vi er opptatt av de ressursene frivilligheten representerer, ikke minst innenfor helse- og omsorgsområdet, erkjennes som viktige og grunnleggende ressurser i vårt samfunn, og at de bør slippe til i større grad enn det vi har sett under denne denne regjeringen overtok for seks år siden, så man på de frivillige organisasjonene som en del av privat sektor innenfor helse og omsorg. Det har vært en jevn utvikling, som har gått i én tydelig retning, og der det handler om en nedtrapping av de institusjonene som nettopp er eiet av frivillige, mens det offentlige har blitt bygget opp. Det er nok ikke en linje jeg tror Kristelig Folkeparti vil dele med regjeringen. Som flere har vært inne på før meg, er det et ganske stort og omfattende forslag vi har til behandling i dag. Det store, overordnede og generelle til det veldig spesifikke og lokale, som f.eks. Kristiansand folkehøgskole. Selv om vi i SV ikke har for vane å dra på frierferd, noe vi ikke gjør i denne sammenheng heller, vil jeg berømme forslagsstillernes engasjement for frivilligheten, som er et ektefølt engasjement. Det vet jeg. jeg. Representanten Ramsøy har redegjort godt for regjeringspartienes syn i denne sammenheng. Jeg vil derfor bare knytte et par generelle merknader til forslaget. I motsetning til det noen later til å tro, er det ingen motsetning mellom en stor stat og en stor frivillig sektor. Det er Norge et levende bevis på. I internasjonale sammenhenger topper Norge frivillighetsrankingen. Vi organiserer oss mye i lag, og vi har mye dugnad, som andre har vært inne på. Vi er i verdenstoppen når det gjelder deltakelse. Jeg vil påstå at det nettopp er den store velferdsstaten som er med Det bidrar til mer likhet i samfunnet, og dermed mer tillit. Jeg vil anbefale alle å lese Richard Wilkinsons bok «Why Equality is Better for Everyone», som forklarer hvorfor et samfunn med små forskjeller bidrar til mer tillit mellom folk. Det som legger et godt grunnlag for frivillig sektor, er nemlig tillit og det at alle kan delta. delta. En del av forslagene har også mangelfulle refleksjoner rundt forholdet mellom staten og det sivile samfunn. Selv om vi i SV, som jeg nettopp har redegjort for, er tilhengere av velferdsstaten, er vi også tilhengere av at frivillig sektor selv skal ha en

alle i lys av sommerens hendelser har fått en stor påminnelse om hvor viktig del av demokratiet frivilligheten er, og at det ikke er noe vi kan ta for gitt, heller ikke i Norge. Når man hører på debatten om utviklingen av det norske samfunnet, får man ofte inntrykk av at det er

Det er der lokalsamfunnene pulserer, og det er der lokalsamfunnene og fellesskapene utvikler seg. Vi har i Norge 100 000 frivillige lag og foreninger. Kommunen og staten på den ene siden og markedet på den andre er viktige arenaer som sammen med frivilligheten utgjør tre pilarer som samfunnet vårt hviler på. Velferdstjenestene, sånn som vi kjenner dem i dag, er startet av ideelle, frivillige aktører som bygde opp tjenester, der staten og kommunene etter hvert kom inn og supplerte. Siden har disse aktørene drevet side om side, helt til vi nå – de siste årene – har fått en mer aggressiv anbuds- og markedstenkning som er i ferd med å presse de ideelle aktørene ut. Det har Kristelig Folkeparti tatt opp gang på gang, og vi hører nå at stadig flere skjønner problemet. Vi venter spent på de konkrete resultatene. Det kristendemokratiske menneskesynet tar ikke utgangspunkt i kollektivet. Det kristendemokratiske menneskesynet tar utgangspunkt i enkeltmennesket – ikke enkeltmennesket som et enkeltindivid som lever ene og alene for seg selv, men vi tar utgangspunkt i enkeltmennesket som et fellesskapssøkende vesen som har sin naturlige plass og lever sitt liv i naturlige fellesskap som familie, lokalsamfunn, frivillige organisasjoner Det er derfor ikke unaturlig at det nettopp er Kristelig Folkeparti som løfter fram denne debatten – og vi står dessverre ganske alene om mange av forslagene – ved å fremme forslag om en ny giv for frivilligheten og om et løft for samfunnets innsats for den sosiale kapitalen, som er så viktig for enkeltmennesket og lokalsamfunn. Ja, vi er inspirert av David Cameron i Storbritannia, og, ja, vi er inspirert av mange initiativ som er tatt i USA. Vi skal ikke som myndighet styre frivilligheten. Vi skal heller ikke ta over arbeidet eller initiativet fra frivilligheten på områder som frivilligheten er Men etter å ha hørt på innleggene før i dag må jeg spørre: Mener man – de foregående talere – at myndighetene nærmest skulle abdisere eller la være å engasjere seg i sosiale spørsmål som frivilligheten er engasjert i? Mener man at vi som myndighet skulle la være å ta initiativ til løsninger som både styrker sosial kapital, styrker fellesskap og styrker livskvalitet fordi det også berører frivillig sektor, som jo er engasjert i nesten alle områder av velferdssamfunnet vårt? Det faller på sin egen urimelighet. Det er fullt mulig å ha respekt for den frivillige sektorens autonomi og samtidig være aktive, engasjerte politikere som ønsker gode lokalsamfunn. Det er ingen motsetning. motsetning. Derfor har vi også fremmet disse forslagene. Jeg takker ellers for rosende omtale av mye av intensjonen i forslagene, selv om de fleste forslagene ikke får støtte. Jeg takker også for invitasjonen til samarbeid om sosial kapital og frivillighet som samfunnspolitiske mål. Nå må jeg jo si at det er Dokument 8-forslag som er arenaen for å behandle saker i Stortinget. mål. Nå må jeg jo si at det er Dokument 8-forslag som er arenaen for å behandle saker i Stortinget. Det ser ikke ut til at det blir flertall for dette i dag, men Kristelig Folkeparti sier aldri nei til et samarbeid der vi får mulighet til å få gjennomslag for Kristelig Folkepartis gode politikk. Med det tar jeg opp de forslag som Kristelig Folkeparti står bak i innstillingen. Representanten Øyvind Håbrekke har tatt opp de forslagene han

Det er stor prinsipiell forskjell når jeg i denne salen spør Rigmor Aasrud om synet på frivillige drivere av sykehjem, og hun sier at det er klart at frivillige organisasjoner har et konkurransefortrinn som tjenesteleverandører. Det er et syn på frivillighet og sier veldig klart hvordan man prinsipielt forholder seg til frivillighet. Det betyr ikke at jeg tror at statsråden er imot frivillighet eller imot frivillige aktører, men det sier noe om hvilket syn hun har på dem, når hun velger å uttrykke seg akkurat sånn. Det som generelt er frustrerende med debatten for tida, er alle dem som står her fra regjeringspartiene og sier at de gjerne tar debatten – men så vil de ikke svare. Det er vanskelig å diskutere med noen som ikke vil svare på hva man egentlig mener. Det mener jeg faktisk hemmer debatten i denne salen. Jeg har lyst til å ta opp noen punkter med hensyn til et veldig bra initiativ fra Kristelig Folkeparti, sjøl om jeg ikke er helt enig i alt som ligger i forslagene. Venstre kommer til å stemme for forslagene nr. 1, 2 og 3. Grunnen til det er at vi syns de er kloke og viktige. Spesielt vil jeg understreke behovet for å få mindre byråkrati for de frivillige organisasjonene. Der hadde regjeringa veldig gode formuleringer i Soria Moria I – som jeg alltid har valgt å gi Senterpartiet æren for – om hvordan man skulle nå målet om mindre byråkrati for organisasjonene. Men det har jo blitt mye, mye verre. Måten man velger å implementere frivillighetsregisteret på og alle delene ved det, har gjort at ting har gått i feil retning. Så er det helt riktig at Norge er på verdenstoppen når det gjelder deltakelse i frivillige organisasjoner, men det er jo fordi nordisk frivillighet er veldig annerledes enn andre lands frivillighet. Norsk frivillighet er mye sjølhjelp, sjølorganisering og deltakelse, mens frivillighet andre steder i Europa er gamle damer med blått hår som hjelper noen andre. I Norge er frivillighet stort sett at man organiserer seg sjøl, mens man i andre land skal hjelpe noen andre fordi man har litt ekstra penger eller ekstra tid. Derfor er norsk frivillighet helt annerledes. Den er basert på deltakelse – bred deltakelse og massedeltakelse. Men frivilligheten er også i stor endring. Det er ikke så lenge at man, da man hadde to–tre festivaler, mente at nå var det nok med festivaler, nå kunne ikke folk takle å gå på flere festivaler. Det minner meg om den gangen vi diskuterte kunsthall i Oslos kulturstyre, hvor en av de gamle Høyre-damene sa at nei, nå kan vi ikke ha flere kunstutstillinger, for jeg rekker ikke å gå på flere, jeg, leder! Det er litt sånn med festivaler også. også. For ti år tilbake, da jeg var byråd, ble jeg kontaktet av noen som mente at de festivalene man hadde i Oslo, var altfor mange, og derfor måtte man slå dem sammen til én Oslo-festival. Det sa jeg nei til, og det er jeg veldig glad for. Jeg tror Oslo har kanskje 10–20 ganger flere festivaler nå enn man hadde på det tidspunktet. Så det skjer en endring i frivilligheten. Spørsmålet er om vi som politikere klarer å endre tilskuddssystemene og støttesystemene i tråd med endringa i frivilligheten, sånn at vi klarer å støtte opp om de tiltakene som er. Jeg mener at det er veldig fint at det offentlige støtter systemer, sjøl med reservebesteforeldre, men jeg ser ikke poenget forslag om reservebesteforeldre. Det er her jeg detter litt av Kristelig Folkepartis forslag. Vår politiske rolle er å gi mulighet til vekst for alle de gode ideene som kommer, gi mulighet til dem som faktisk tar et initiativ, til å utøve det initiativet og få det til å vokse videre. Men det å ha det offentlige som bestiller overfor det frivillige blir en helt feil vinkling. Da mener jeg at vi er tilbake til Rigmor Aasruds syn, at frivillige organisasjoner har et konkurransefortrinn som tjenesteleverandører til det offentlige. Det mener jeg er en feil tilnærming til frivillighet. Jeg registrerer at de fleste partier frir til Kristelig Folkeparti, men at Kristelig Folkeparti ikke er

men at Kristelig Folkeparti ikke er så fornøyd med noen av frierne. Dette er jo noe vi alle har erfaring med fra våre lokalmiljøer fra vi var helt unge. Kristelig Folkeparti er jo ikke kjent for å ha de ungdommene som er lettest på tråden, og slik er det heller ikke i politikken. Kristelig Folkeparti må ha mye frieri før de biter på. Og da får vi jo fortsette debatten langs det sporet. Som mange har vært inne på, bygger vår velferdsstat ofte mye på initiativ fra det frivillige. Kirken startet sykehus, og nå har det blitt et offentlig tilbud. Arbeiderbevegelsen startet pensjonskasser og startet prevensjonsveiledning, og det ga i ettertid en situasjon hvor vi fikk en folkepensjon, og vi fikk prevensjonsveiledning på offentlige kontorer. – Eller sanitetskvinnene, som startet helsestasjoner lokalt basert på frivillighet, barnehager det samme, som senere ble et offentlig tilbud. Jeg synes det er veldig positivt at vi har et velferdssamfunn med utgangspunkt i frivillighet. Men jeg tror det er behov for å diskutere om det er sånn at de utfordringene som vi ser i vårt samfunn, med ensomhet og mangel på inkludering, om det er sånn at de utfordringene som vi ser i vårt samfunn, med ensomhet og mangel på inkludering, egentlig i dag kan løses av velferdssamfunnet. Jeg tror at de virkelig vanskelige oppgavene i vårt samfunn løses bedre av frivillige enn de løses kan vi gjøre noe med ved at hjemmehjelpen får bedre tid til å snakke med den enkelte, men det er ved besøksordninger, som gjennom Røde Kors, at vi kan løse utfordringene knyttet til ensomhet. Når det gjelder inkludering av asylsøkere, kan vi selvsagt gjøre noe gjennom flyktningkonsulenter i kommunene, men det er bl.a. gjennom støtteordninger fra Røde Kors, Redd Barna og andre at vi kan få til reell inkludering av nye landsmenn. Jeg tror at vi har kommet til et punkt i norsk velferdsutvikling hvor vi skal være forsiktige med å si at alle typer oppgaver som frivilligheten i dag tar seg av, skal statliggjøres og kommunaliseres. Vi kan ikke ansette folk i alle oppgaver av den typen. Derfor er det viktig å bedre rammebetingelsene for frivillig sektor. Så opplever jeg at Kristelig Folkeparti ikke er helt enig i at dette går fort nok, men det går i hvert fall i riktig retning. Vi satser mer på frivillighet nå enn vi gjorde for noen år siden. Vi har fått bedre

på. Det gjelder f.eks. det som ble sagt om reservebesteforeldre, som organiseres frivillig i en del av organisasjonene. Jeg mener at det er kommunens og statens oppgave å legge til rette for det gjennom generelt gode rammebetingelser, men ikke å bestille konkrete oppdrag som frivillig sektor skal gjøre. Da mener jeg at vi får et for instrumentelt Da er det slik at jeg som kulturminister skal si at jeg forventer det og det og det av frivilligheten. Jeg vil advare veldig mot en slik holdning, for jeg tror at frivillig innsats må springe ut fra det man selv ønsker å bidra med, det må springe ut fra dem som selv ønsker å stille opp som besteforeldre for barn fordi de kanskje ikke har barnebarn selv, eller har barnebarn som bor langt unna dem. Slik må vårt syn på frivillighet være. Så er jeg også litt motstander av den type ordninger som sier at vi skal gi ekstrapoeng til dem som deltar i frivillig arbeid. Det blir også ganske instrumentelt. De land som har ekstrapoeng knyttet til frivillighet, har ikke nødvendigvis noen større frivillig sektor. Frivillig engasjement skal jo springe ut av frivillighet, og hvis man lager masse poenger rundt det, er jeg ikke sikker på at man oppnår det man egentlig ønsker. Det som er fordelen med frivillig engasjement, er at det er uegennyttig, for det kommer fra hjertet, hjertet, og man har glede selv av å hjelpe andre. Som flere har vært inne på, er den sosiale kapitalen, tilliten mellom folk, økende i Norge. Vi tror mer på hverandre nå enn for en del år tilbake. Det er en annen situasjon enn man ser i veldig mange andre land, og det skal vi være glad for. Så snakkes det om forenkling. Det er klart at når vi har frivillig sektor, har vi visse kontrollbehov. Flere som sitter her i salen, har vært gjennom runder hvor de politiske ungdomsorganisasjonene ble bedt om å bli bedre på rapportering til myndighetene knyttet til hvordan man fikk offentlige midler. Men det kan hende – og det er også grunnlaget for forenklingsprosjektet – at kontrolltiltakene har gått for langt, og at det blir for mye kontroll. Derfor er LNU også fornøyd med det arbeidet vi gjør i samarbeid med dem for å bedre forenklingen innenfor arbeidet med ungdomsorganisasjonene. Derfor vil vi fortsette med det arbeidet, vil vi fortsette med det arbeidet, for vi jobber med flere organisasjoner for å forenkle deres virksomhet. Så jobber vi også med frivillighetssentraler, og det har heller aldri vært større satsing på det enn det som er tilfellet i dag. Det blir replikkordskifte. Her var det retorisk mye positivitet fra både statsråden og regjeringspartiene. Det var snakk om samarbeid, om å legge til replikkordskifte. Her var det retorisk mye positivitet fra både statsråden og regjeringspartiene. Det var snakk om samarbeid, om å legge til rette, man ser behov for frivilligheten, vi ville ikke ha klart oss uten, og frivilligheten bygger også på. Statsråden var helt avslutningsvis i sitt innlegg innom frivillighetssentraler. Jeg mener selv at det er en god løsning som et nav i kommunene. Ser statsråden behov for frivillighetssentraler i alle kommuner rundt omkring i landet? Hva vil statsråden gjøre – nå har hun jo sagt at hun har brukt mer penger på det lokale frivillighetssentralene til å bli det de bør bli, nemlig et nav i frivilligheten i kommunene? Det er ikke bare retorikken knyttet til frivillighet som er god. Det er bare å se rundt seg i det norske Frivilligheten blomstrer – det er veldig mange mennesker som bruker mye tid på frivillighet. Så å beskrive dette som en slags jammerdal hvor alt er grått og trist, er ikke en reell beskrivelse av det vi ser rundt oss. Det blomstrer for frivilligheten, men det er mye vi kan gjøre for å legge enda bedre til rette. Da er frivillighetssentraler en av flere typer virkemidler. Siden 2005 er det gitt nye frivillighetssentraler, og til sammen har over 370 frivillighetssentraler fått statstilskudd i 2011. Det er en betydelig

Det handler om å gi ansvar, ta ansvar og føle ansvar og om overordnede rammebetingelser. Det er interessante perspektiver, som blir litt for store å komme inn på i en replikk, bl.a. i forhold til den meldingen regjeringen selv kom med. Men jeg har et konkret spørsmål i forhold til Frivillighetsregisteret og departementenes, altså regjeringens, forskjellige støtteordninger, bl.a. Likestillingsdepartementets. Man tenkte seg at Frivillighetsregisteret skulle være en slags Altinn-ordning, altså ett sted å hente tall og

organisasjonens medlemsregistre med Frivillighetsregisteret. Det prosjektet har vært finansiert av Kulturdepartementet, og departementet arbeider nå med å vurdere løsninger knyttet til implementering av en slik integrasjonsløsning i samarbeid med Nærings- og handelsdepartementet og

og da har nok det heller kanskje ført til at vi alle sammen har lagt listen litt høyere for hva slags typer aktiviteter vi lar oss friste til å være med på. Kvalitetskravene har økt betraktelig, og kreativiteten likeså. I forlengelsen av statsrådens gode resonnement har jeg lyst til å følge opp det statsråden sa om avbyråkratisering, for der er det nå en prosess på gang. Men opp det statsråden sa om avbyråkratisering, for der er det nå en prosess på gang. Men Kristelig Folkeparti er utålmodig og vil ha resultater. Vil det komme en rapportering til Stortinget, og vil det komme konkrete resultater av prosjektet? Ja, det vil komme konkrete resultater av dette prosjektet, og det vil vi også legge fram for Stortinget. Når det gjelder programmet Trekant, tar jeg kanskje Kristelig Folkepartis poeng her, at Kristelig Folkeparti er som de alltid har vært, men vi andre har kanskje blitt litt for inspirert av programmet Trekant og blitt litt for pågående. Replikkordskiftet er dermed omme. De talere som heretter får ordet, har en taletid på inntil 3 minutter. Er det noe frivillig sektor er

ville det bidratt til en vitalisering av det frivillige Norge, og det ville ha styrket det sivile samfunn. Vi må få på plass en ny bevissthet om sivil sektor, en ny tenkning om frivillighet – en ny forståelse av det sivile samfunn. Vi snakker om noe helt annet enn marked, og vi snakker om noe helt annet enn stat. Vi må etablere sannheten om sivilsamfunnet. Den er selvstendig. Den er selvstendig. Den står på egne ben. Når Arbeiderpartiet snakker om fellesskapet, er det som regel staten de snakker om. Men fellesskapet er mer. Fellesskapet går langt utover staten. Når høyresiden snakker om individuell frihet, er det som regel markedet det snakkes om. Men individuell frihet går langt utover markedet. Kristelig Folkeparti vil peke på en tredje vei. Det sivile samfunn og frivillig sektor er noe annet, noe selvstendig, som verken er stat eller marked alene. Det er ikke nødvendigvis noen motsetning mellom en aktiv stat og en stor frivillig sektor. Det er en misforståelse. Nordlige amerikanske delstater, som Minnesota, som har en relativt stor offentlig sektor, har høyere sosial kapital og en mer aktiv frivillig sektor enn sørstater med en med en liten offentlig sektor. De skandinaviske landene kombinerer verdens høyeste sosiale kapital med store offentlige sektorer. Derfor er ikke forskernes råd for å stimulere frivillighet og sosial kapital nødvendigvis å trekke staten mest mulig tilbake. Men staten må være oppmerksom på frivillighetens karakter og betydning. Vi må støtte opp om den og gi sektoren gode rammevilkår. Uten et aktivt sivilsamfunn blir vi en fattig nasjon. Staten skal ikke detaljstyre frivilligheten eller sivil sektor, langt ifra. Derfor handler våre forslag om hvordan staten kan stimulere sektoren positivt og legge til rette for vekst, helt i tråd med det som ligger til grunn for forslaget fra KS og Frivillighet Norge om en samarbeidsplattform mellom frivillig sektor og kommunene. Til slutt: Jeg er helt enig med statsråden når hun snakker om integrering og det å satse på frivillig sektor. For jeg tror heller ikke at man blir integrert gjennom et saksbehandlingsvedtak i Nav. Det skjer best i det sivile samfunn. det sivile samfunn. I den norske velferdsdebatten som ofte handler om at vi enten skal ha lavere skatt eller mer stat, mener Kristelig Folkeparti at det er et viktig perspektiv som mangler, nemlig den frivillige sektoren. Den er ofte med og skaper en kile mellom stat og marked, og lager en hvor veldig mange mennesker bruker sin tid og sitt engasjement for å få til ting de ønsker å løse. Det sivile samfunnet la grunnlaget for Norges velstand og velferd, som også statsråden sa i sitt innlegg. Det var gjennom Kirkens konfirmasjonsundervisning folket vårt lærte å lese. Det var kanskje den viktigste enkeltfaktoren for økonomisk og sosial utvikling, ifølge flere økonomiske historikere. Landets første sykehus ble opprettet av Kirken i Trondheim og Oslo for rundt 700 år siden. Predikanten Hans Nielsen Hauge skapte fra slutten av 1700-tallet en massebevegelse av haugianere med vekt på individets frihet og ansvar, som var avgjørende for industrialiseringen og Norges moderne utvikling. Arbeiderbevegelsen bidro til dannelsen av velferdsstaten og mange av våre gode arbeidstakerrettigheter. arbeidstakerrettigheter. Frivillighet handler ikke bare om samfunnsbygging og den plassen det har i samfunnet. Det er flere som nå tar til orde for at det er helsefremmende å få lov til å engasjere seg i frivillig arbeid. Hvis man er ensom og slutter å røyke, er det usikkert hva som er best for helsa:

som ser sosiale utfordringer rundt seg, og som kanskje har vent seg til at enten kommer staten inn og løser det for oss, eller så er det noen private som finner ut at her kan de ta ansvar? Hvordan skal vi få løst det? Jo, den nye frivilligheten er avhengig av at det er noen instrumenter til stede som setter ressurser og instrumenter til stede som setter ressurser og menneskelig kompetanse på plass, sånn at de kan være med og ta tak i det man virkelig ønsker. Ett av de meget interessante forslagene, mener jeg, er vårt forslag om å etablere et oppstartsfond for sosial innovasjon etter inspirasjon fra Center for Economic Opportunity-fondet, som ble opprettet i New York av borgermester Michael Bloomberg. Dette er et fond hvor man faktisk kan søke støtte til å løse de utfordringene man som enkeltmenneske ser i samfunnet sitt. Vi er bare i gang med å begynne å tenke på det sivile samfunn som den tredje vei-samfunnet. Vi i Kristelig Folkeparti kommer til å bygge dette videre ut, og vi kommer ikke til å gi oss før det er blitt en sannhet at vi neste gang snakker om økt velferd, mer stat

minimumstid. Jeg vil, i likhet med de som har hatt ordet før meg, takke Kristelig Folkeparti for å ha tatt opp et så viktig tema som det vi diskuterer nå. Kristelig Folkeparti har mange interessante forslag. I ett av forslagene ber man regjeringen sikre at hensyn til sosial kapital og frivillighet blir samfunnspolitiske mål på lik linje med verdiskaping og bærekraftighet. Hva handler dette om? Man kan ha mange ulike innfallsvinkler til det Man kan ha mange ulike innfallsvinkler til det temaet, men jeg vil velge min innfallsvinkel med bakgrunn i at jeg representerer den sosialdemokratiske bevegelsen. Vi bruker ofte parolen «alle skal med», og vi mener det, for i sterke sosiale nettverk mellom mennesker har alle sin plass. Vi ønsker, i likhet med Kristelig Folkeparti, et samfunn hvor alle føler at man hører til, vi ønsker å skape en følelse at alle kan bidra med sitt, og vi ønsker et samfunn som er basert på tillit. Sosial kapital, etter min definisjon og min forståelse, er en kollektiv egenskap ved et samfunn, mens tillit bare lar seg måle på individuelt nivå. Derfor er det viktig å ha et samfunn som er transparent, og et system som speiler samfunnet et system som speiler samfunnet rundt seg. Her har pressen en viktig oppgave å ivareta. Avisene tar pulsen på det norske lokaldemokratiet, styrker den lokale identiteten og speiler foreningsliv og næringsliv i norske lokalsamfunn. Pressestøtten er svært viktig for å opprettholde avismangfoldet, og mangfoldet er viktig for demokratiet, også når frivilligheten skal diskuteres. De norske avisene har en sterk posisjon, takket være politisk vilje. vilje. I 1952 utkom det 227 aviser i Norge på 123 utgiversteder. Til sammenligning utkom det i fjor 226 aviser på 186 utgiversteder. Dette ønsker de borgerlige partiene å få en slutt på. De mener at samfunnet ikke skal gi økonomisk støtte til norske aviser, men at markedet skal bestemme hvilke aviser som skal klare seg. Hver for seg foreslår Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre dramatiske kutt i pressestøtten – kutt som vil forårsake at mange norske aviser må legge ned. Arbeiderpartiet vil gjerne gjennomgå innretningen av pressestøtten, men formålet vårt er å sikre et mediemangfold, små lokalaviser og kvalitet i mediene. Å fjerne avisenes demokratiske og samfunnskritiske stemme for å kunne gi mer skattekutt er ikke vår politikk. Så langt har jeg registrert at vi heldigvis har Kristelig Folkeparti med oss i dette synet. Etter min mening er det viktig å dra dette temaet inn i denne debatten også. Sosial kapital, tillit og frivillighet bidrar sterkt til samfunnspolitiske mål. Gjennom et pressemangfold bidrar man til innhold i disse viktige

har sikret at Norge i dag er et av landene med største grad av tillit i befolkningen, med høy kapital og en frivillighet som blomstrer? Det er jo nettopp satsingen på fellesskapet, på frivilligheten og på de sosialdemokratiske løsningene vi har sett. Jeg har bedt om ordet for å si noe om de konkrete forslagene

sosialt entreprenørskap. Forslag nr. 2 handler om forenklings- og avbyråkratiseringsprogrammet. Der mener jeg at statsråd Anniken Huitfeldt har gitt klare og tydelige svar på det som har vært bestillingen fra mindretallet. Forslag nr. 4, om sosial kapital og frivillighet som samfunnspolitiske mål, er for det første noe diffust formulert. formulert. Jeg kunne gjerne ha tenkt meg at Kristelig Folkeparti hadde konkretisert hvordan et sånt omfattende mål kan operasjonaliseres, for sånn som det ligger her, er det forholdsvis uhåndterbart. Men jeg ser for meg at man på en rekke av disse punktene, i stedet for å stemme for det i dag, kan ha en lengre prosess for hvordan man i framtiden sikrer det som mange i denne salen har vært opptatt av, nemlig fortsatt høy grad av sosial kapital i Norge, fortsatt stor deltagelse i frivillig aktivitet og fortsatt høyt tillitsnivå i samfunnet. Da har vi mye å snakke sammen om, på tvers av partigrensene.

har vel så mange snakket så varmt for så mye og stemt for så lite. Men vi får ta med oss den velviljen vi kan få, så får vi tro at det forhåpentligvis – også basert på det siste innlegget – kan

på bakgrunn av det, villig til å omgjøre forslag nr. 1 til et oversendelsesforslag. Jeg håper de to andre partiene som står bak forslaget, kan være med på det. Når det gjelder forslag nr. 2, vil jeg utfordre statsråd Huitfeldt litt, for hun ga et positivt svar til meg i replikken. Hun ønsket å komme tilbake til Stortinget når det gjelder forenkling og byråkratisering, i lys av den prosessen som nå og ønsker å komme tilbake med resultater der. Hvis vi kunne få bekreftet at statsråden vil komme tilbake til Stortinget i løpet av 2012, føler jeg at vi har fast nok fisk til å gjøre det om til et oversendelsesforslag. Så vil jeg på slutten av debatten også bemerke at begrepet «sosial kapital» har det ikke vært brukt altfor mye tid på salen. Det fortjener nok større oppmerksomhet. Det brukes enormt mye tid og politiske prosesser, og vi har et utall reguleringer som skal bidra til samfunnets økonomiske verdiskaping og kapital. Det ville ikke være urimelig at vi investerte enda mer tid og ressurser i arbeidet med sosial kapital, som er avgjørende for

vi ikke kan la være å engasjere oss på områder som frivilligheten har et engasjement i. Der skal det være et samspill, og der synes jeg vårt forslag står seg godt. For øvrig takker jeg for en interessant debatt, en debatt med mye velvilje som vi får arbeide videre med og omsette i politiske politiske resultater. I bagen min vil jeg for neste år, 2012, ha med et forenklingsprosjekt til Stortinget. Representanten Øyvind Håbrekke har hatt ordet to ganger og får ordet til en kort merknad, begrenset til 1 minutt.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

fra representantene Horne, Thomsen og Korsberg om å overføre fylkesnemndenes oppgaver for barnevern og sosiale saker til de ordinære domstolene. Som saksordfører gir jeg en kort oversikt over komiteens innstilling og regner for øvrig med at partiene gjør rede for sitt syn, i den grad de føler behov for det. Forslagsstillerne er opptatt av at sakene og vedtakene som fylkesnemndene behandler, er svært alvorlige og har store konsekvenser for de ulike klientenes liv. Forslagsstillerne mener barns og foreldres rettssikkerhet kan styrkes ved at barnevernssaker og sosiale saker føres for det ordinære rettsapparatet, bl.a. fordi det vil heve statusen på hele prosessen, og sakene vil likebehandles i større grad. Komiteen deler forslagsstillernes syn på

Komiteen understreker i innstillingen at det er avgjørende at alle parter opplever respekt, og at rettssikkerhetsprinsippene følges i barnevernssaker. Da fylkesnemndene ble opprettet i 1993, var intensjonen nettopp å styrke rettssikkerheten for barn og foreldre ved å etablere et organ som var uavhengig og frittstående. Det var også viktig at nemndene kombinerte juridisk og faglig Statsråden peker i sin uttalelse til forslaget på at fylkesnemndene har eksistert i snart 19 år, og at statsråden mener erfaringene med og evalueringer av ordningen har vært og er gode. Statsråden framfører også i sitt svarbrev en rekke argumenter for videreføring Nemndene har opparbeidet seg bred erfaring og særskilt kompetanse på barnevernsområdet. Nemndsystemet har vist seg fleksibelt og godt tilpasset disse helt spesielle sakene. De ordinære domstolene besitter ikke den spesialkunnskapen om barns oppvekst og behov samt kjennskap til de verdikonflikter som ofte oppstår i vanskelige barnevernssaker, som fylkesnemndene har opparbeidet seg. Fristene i barnevernsloven er dessuten korte, og det vil være krevende for de ordinære domstolene å behandle disse sakene på så kort tid. Komiteen viser i innstillingen til at det fra tid til annen også kommer fram kritikk mot fylkesnemndene, og en samlet komité understreker behovet for stadig diskusjon om rettssikkerhet og kvalitet i behandlingen av saker av så stor betydning for enkeltmennesker og familier. Jeg vil understreke at den type diskusjoner bør vi egentlig aldri bli ferdig med, og jeg tror det er god grunn til å videreføre diskusjonene om hvordan det systemet vi i dag har – selv om vi ønsker å beholde det – kan videreutvikles og forbedres for at partenes rettssikkerhet skal ivaretas både formelt og reelt. Komiteen viser til at statsråden i sitt brev også medgir at saksbehandlingstiden i mange av sakene er lenger enn ønskelig, og at per i dag er ventetiden i fylkesnemndene for lang i mange saker. Komiteens flertall mener det er uholdbart at kapasitetsmangel eller andre problemer gjør at vanskelige situasjoner forlenges, og at det dermed skapes ytterligere utfordringer for sårbare mennesker. Dette er en av altfor mange flaskehalser i barnevernet. Det er alvorlig når vi først har identifisert potensiell omsorgssvikt og sakene skal til behandling, at man venter i ukevis over fristen, rett og slett fordi at vi ikke har kapasitet til å behandle sakene. Det må regjeringen foreta seg noe med. Komiteen foreslår at representantforslaget ikke bifalles. Flertallet mener at det er lite som tilsier at overføring av barnevernssakene til domsstolene vil korte ned behandlingstiden. Man slutter seg på denne bakgrunn til de vurderingene som statsråden har gitt til komiteen, at det ikke synes å være grunnlag for å overføre disse sakene til de ordinære domstolene. Så håper jeg at vi fortsatt skal ha en god diskusjon – en kontinuerlig diskusjon – om hvordan vi forbedrer prosessene og

lang. Statsråden svarar òg på det i sitt svarbrev, ho er for lang. I mitt fylke, Telemark, kunne me her om dagen sjå at leiaren for fylkesnemnda der gav uttrykk for at det er behov for auka kapasitet. Det er noko som regjeringa både med budsjettforslaget i fjor, der og i år òg tydeleg signaliserer er viktig. Komiteen understrekar òg kor viktig det er at me held fram med den styrkinga. Eg har lyst til å stille eit spørsmål til Framstegspartiet. Eg går ut frå at dei kjem til å gjere greie for sitt syn i saka, men eitt av argumenta som dei har i saka, er at me skal leggje ned fylkesnemndene fordi ventetida er for lang. Ingen av dei andre partia i komiteen meiner at det er eit velgrunna argument. Eg kunne godt ynskje meg at Framstegspartiet kom med nokre eksempel eller erfaringar som skulle tilseie at ei slik overføring ville gjere det betre når det gjeld ventetid. Samtidig kan ein òg stille spørsmål om det faglege. Me veit at fylkesnemndene i faglege. Me veit at fylkesnemndene i dag sit inne med ein heilt spesiell kunnskap, spisskunnskap, på området. Korleis meiner Framstegspartiet at domstolane vil kunne ta vare på det på ein betre måte? Utover det er eg glad for at resten av komiteen meiner at det er viktig å behalde fylkesnemndene, samtidig som det er viktig at me styrkjer dei i åra framover.
Neste taler er representanten Olemic Thommessen.

makt. Ofte får en henvendelser fra besteforeldre, foreldre, tanter og onkler som ønsker å vite mer om barnevernet har krenket menneskerettighetene. Fremskrittspartiet mener at hvis den utvidede familien kan finne gode og trygge løsninger for barnet selv, skal det tungtveiende grunner til fra barnevernets side for å gripe inn i

Fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker fatter i dag vedtak etter lov av 17. juli 1992 nr. 100 om barnevernstjenester, om overtakelse av omsorg for et barn og fratakelse av foreldreansvaret. Intensjonen med opprettelsen av fylkesnemndene var å styrke rettssikkerheten for barn og foreldre ved å etablere et avgjørelsesorgan som var uavhengig og frittstående. Fylkesnemndene er et slags domstolslignende forvaltningsorgan som kun kan overprøves av domstolene. Som jeg innledet med, er det viktige beslutninger som fylkesnemndene tar i enkeltmenneskers liv. Men da er det også viktig å påse at rettssikkerheten for alle parter blir ivaretatt. Dette er viktige argumenter for å legge fylkesnemndene inn i det ordinære rettssystemet, slik at vi er sikre på at rettssikkerheten blir ivaretatt. ivaretatt. For Fremskrittspartiet er rettssikkerheten viktig, og det kan være grunn til å stille spørsmål ved nettopp barns rettssikkerhet i det å ha et domstolslignende organ utenfor det ordinære rettsapparatet. Jeg har i den senere tid blitt gjort kjent med at en stor del av de sakene som blir avgjort i fylkesnemndene, i dag blir anket til tingretten. I slike saker ser vi også at barnevernet anker til lagmannsretten. I påvente av utfallet i lagmannsretten blir fylkesnemndens vedtak gjeldende. Jeg hadde en gang en mor på kontoret mitt som opplevde dette. Barnevernet anket saken etter at mor hadde vunnet i tingretten. Under anken fra barnevernet til lagmannsretten trådte fylkesnemndens avgjørelse i kraft, og mor mistet barnet. Da saken kom opp i lagmannsretten, fikk mor beskjed om at saken gikk i hennes favør, men siden det hadde tatt så lang tid, mente lagmannsretten at barnet, som da var baby, hadde blitt knyttet til fosterforeldrene. Det kan godt hende at det var en riktig avgjørelse. Men jeg vil likevel stille spørsmål om rettssikkerheten til alle parter i slike saker har blitt godt nok ivaretatt. Så kan vi sikkert si i dag at de ordinære domstolene ikke besitter spesialkunnskap om barns oppvekst og behov, samt kjennskap til de verdikonflikter som ofte oppstår i vanskelige barnevernssaker. Det er viktige motargument, men dette kan løses ved at dommerne får spesialopplæring i slike saker. Ja, kanskje vi bør gå så langt at vi oppretter egne familiedomstoler. En slik opplæring er uansett viktig å få på plass allerede i dag, da en vet at de fleste sakene som blir avgjort i fylkesnemndene, uansett blir anket inn for domstolene. Fremskrittspartiet mener at det også er viktig at alle parter i domstolene. Fremskrittspartiet mener at det også er viktig at alle parter i en sak blir hørt og får legge fram sine argumenter, og at de blir ivaretatt på en helt annen og bedre måte i det ordinære domstolssystemet enn i fylkesnemndene. I tillegg er sammensetningen i fylkesnemndene slik som den er i dag, uheldig med tanke på rettssikkerheten. Dagens praksis viser at fylkesnemndene i svært liten grad selv, uavhengig av Barnevernstjenesten får dermed en annen stilling enn den private part i saker om omsorgsovertakelse. Slike eksempler får i alle fall meg til å reise tvil om uavhengigheten til sakkyndige, og det er betenkelig at psykologer både kan være utredere for kommunen og sakkyndige medlemmer av fylkesnemndene. For å ivareta rettssikkerheten, som også statsråden er opptatt av, er det viktig for alle parter at oppnevnte sakkyndige er objektive og partsnøytrale i sine vurderinger. vurderinger. Jeg må si jeg er skuffet over komiteens flertallsinnstilling i denne saken. Ikke én gang nevner flertallet ordet «rettssikkerhet». Det er ikke én merknad der en stiller seg spørsmål om en er sikker på at barnas rettssikkerhet blir godt nok ivaretatt. Når en i dag vet at fremstående menneskerettsjurister stiller spørsmål og lurer på hva som foregår, er det naivt av flertallet å stole så blindt på at de avgjørelsene som blir tatt, er de rette. Fremskrittspartiet er klar over og glad for at en nå har fått satt ned en kommisjon som skal se på arbeidsformen, men vi mener at vi også må se på innholdet og avgjørelsene i fylkesnemndene. Med det tar jeg opp forslagene fra Fremskrittspartiet. Representanten Solveig Horne har tatt opp de forslag hun refererte til. Vi er alle enige om at vi har et særlig ansvar for å sørge for at barn er

ikke gått inn for å endre opplegget man har med fylkesnemndene, altså å følge forslaget til Fremskrittspartiet om å gå over til en ordning i rettssystemet. Dette er jo en sak vi har behandlet mange ganger, og vi står fast på vårt utgangspunkt. Det betyr imidlertid ikke at alt er som det skal. For det vi dessverre opplever som stadig tilbakevendende, er rapporteringer med fra Riksrevisjonen – om at fylkesnemndene har problemer med å få saksmengden unna. Det er ventelister. Dessverre kunne Riksrevisjonen nå påvise at fireukersfristen for behandling blir brutt i 90 pst. av sakene. Det er klart at det er et alvorlig signal, og det gjør ikke saken bedre at dette har vært påpekt iallfall siden 2008. En rask og effektiv behandling er avgjørende viktig, først og fremst fordi det signaliserer at fylkenemndene ville få den – skal vi si – arbeidsro som grundig saksbehandling krever. Altså: Ventelister er også et signal om stress, et signal om tidspress, som ikke borger for kvalitet i tjenesten. Det andre er at målgruppen – de barna og de familiene vi snakker om – allerede er en sårbar gruppe som burde vært fritatt for ytterligere belastninger som følge av dårlig organisert offentlig bistand. Vi ser at antall saker er økende. Det kan være noe av forklaringen på dette. En økning på 18 pst. fra i fjor er ikke et spesielt hyggelig tall. Vi ser at noen fylker ligger etter i løypa. Mitt eget fylke, Oppland, og Sør-Trøndelag er eksempler på fylker som nå har 16 ukers gjennomsnittlig forsinkelse på behandlingen. Det er ikke bra, og det fordrer en egen, særlig innsats fra regjeringen for å få gjort noe med det. Jeg hadde for kort tid siden et skriftlig spørsmål til statsråden, hvor statsråden i sitt svar signaliserte økte midler. Det ligger noe økte midler inne, men spørsmålet er om det er en tilstrekkelig satsing. Det er relativt beskjedne midler vi snakker om. om. Selv om tallene ikke er så dårlige for resten av landet som for de to nevnte fylkene, er det klart at dette ligger betydelig tilbake å ønske. Fylkesnemndene er en såpass sentral del av strukturen i barnevernet – vi snakker om en egen institusjon i barnevernet – at dette burde kort og godt vært ivaretatt bedre. Det er så enkelt, og så vanskelig, som det. Dette er rett og slett for dårlig. Jeg imøteser statsrådens innlegg, som kommer litt senere i denne debatten, og håper at han der ikke bare vil snakke om fylkesnemnd kontra domstol, men at han også vil forklare oss hva han tenker å gjøre, og hvordan man kan få orden på det systemet vi nå har. Det forslaget vi behandler i dag, er et forslag som omhandler svært alvorlige ting – tvangssaker etter barnevernsloven og sosialtjenesteloven. sosialtjenesteloven. Det skal ikke mye fantasi til for å se for seg at dette er noen av de vanskeligste situasjonene som både barn og voksne kan havne i. Nettopp derfor stilles det store krav til det offentlige, til fylkesnemndene og domstolene, om rettssikkerhet og om at disse familiene blir møtt med respekt i det systemet. For øvrig har jeg telt antall ganger ordet «rettssikkerhet» forekommer i flertallets merknader – det er fire ganger. Så jeg forstår ikke helt representanten Hornes innlegg om at dette ikke er behandlet av regjeringspartiene. Det er jo tvert imot noe som regjeringspartiene, som en del av et større flertall, understreker som en viktig del av disse problemstillingene. SV støtter ikke forslagene fra Fremskrittspartiet. 19 år siden nemndene ble opprettet, og erfaringene vi har derfra, er stort sett gode. En av grunnene til det er jo nettopp at fylkesnemndene kombinerer den juridiske og faglige innsikten med lekmansskjønn. Ordinære domstoler har ikke spesialkunnskapen om barns oppvekst og om barns behov. har ikke spesialkunnskapen om barns oppvekst og om barns behov. Ikke minst, så er det veldig korte frister i barnevernsloven, og det er veldig vanskelig å se for seg at de ordinære domstolene skulle ha mulighet, kapasitet, til å behandle saker like raskt som fylkesnemndene. Dette er nå som vi er i desember måned. For å si det sånn: Desember var for meg i 1990 en mye lengre måned enn desember er nå i 2011 – et barneår går ganske mye saktere enn et voksenår. Og dette handler om barns rettssikkerhet: Rask behandling er avgjørende for barns rettssikkerhet i disse spørsmålene. Fylkesnemndene gjør et ekstremt viktig arbeid. Derfor har regjeringen prioritert å styrke saksbehandlingskapasiteten i budsjettet for 2011. Det gjør den også i budsjettet for 2012, nettopp med tanke på det jeg snakket om; barns rettssikkerhet og at barn som er voldsutsatt, eller er i hjem der de ikke har det bra, skal få hjelp så raskt som mulig.

mulig. Spørsmål om barns rettigheter og rettssikkerhet er veldig viktige problemstillinger. Spesielt er de viktige for barn som er ekstra sårbare, og som av en eller annen grunn ikke har foreldre som har mulighet til primært å stå på for barnas rettigheter. Spesielt vanskelig blir det når det som er barnets beste, ikke nødvendigvis stemmer overens med det foreldrene oppfatter som kanskje både sitt beste og for barn og unge – definisjonen av hva som er barnets beste, er veldig vanskelig. Derfor tilligger det rettsapparatet generelt, men spesielt fylkesnemdene som skal behandle disse sakene, et veldig stort ansvar: å være med og se på hva man mener er barnets beste – kanskje spesielt fordi det er en tøff avgjørelse å skulle si at det å være sammen med egen familie ikke er

unger som selv ikke har mulighet til å uttrykke sin mening. Da er det ekstremt viktig at man både har en høy kompetanse, og at de som tar beslutningene, kjenner sakskomplekset godt. Saksbehandlingstid er et tema som mange har vært innom. Det er en veldig viktig faktor, og i dag kan det være litt for lang ventetid. Men det er lite som tilsier at en overføring av disse barnevernssakene til domstolene skal korte ned saksbehandlingstida fordi de fristene som er i barneloven, også er veldig korte. Man vet at man i domstolene har en ganske lang ventetid i noen saker, samtidig som man behandler et veldig mye større sakskompleks. Da blir det viktig å styrke saksbehandlingskapasiteten med mer ressurser, noe som denne regjeringen har bidratt med. Men det er òg viktig at fylkesnemndene selv hele tiden har fokus på kvalitet i behandlingen av saken, i tillegg til at man hele tiden sørger for å ha god kompetanse på barn og på barnevernsfeltet, at man er oppdatert på de signalene som kommer, og er veldig bevisst på hvordan man selv omtaler både unger og foreldre, og hva man da velger å vektlegge i sin saksbehandling. saksbehandling. Både fylkesnemndene og rettsapparatet for øvrig er helt avhengige av tillit – blant folk generelt og spesielt blant dem som er involvert i disse sakene. Selv om man ikke er enig i forslaget fra Fremskrittspartiet, er det viktig at man tar

situasjonen. Barnevern handler om noe av det aller viktigste som finnes, nemlig forholdet mellom barn og deres foreldre. Derfor er rettssikkerheten til barna og familiene helt avgjørende. Intensjonen med opprettelsen av fylkesnemndene var nettopp å styrke rettssikkerheten ved å etablere et avgjørelsesorgan som var Det var også viktig å kombinere et lekmannsskjønn med juridisk og barnevernsfaglig innsikt. Jeg er glad for at flertallet i komiteen er enig i at fylkesnemndene er best skikket til å avgjøre disse helt spesielle barnevernssakene. Før fylkesnemndene ble opprettet, var det helse- og sosialstyret i en kommune, eller et underutvalg av helse- og sosialstyret, som avgjorde tvangssakene etter barnevernsloven på initiativ fra barnevernsadministrasjonen i kommunene. Denne ordningen ble sterkt kritisert, bl.a. som følge av at saksforberedelse og vedtakskompetanse var kombinert på en uheldig måte, og at barnevernstjenestens rolle som både hjelper og tvangsutøver var vanskelig. Fylkesnemndene har siden opprettelsen i 1993 opparbeidet seg bred erfaring og en særskilt kompetanse på barnevernsområdet. Fylkesnemndssystemet har vist seg godt egnet til å behandle disse spesielle sakene. Forskningsevalueringen Evaluering av rettsikkerheten ved behandling av barnevernssaker i fylkesnemnda, som ble gjennomført i 2000 og 2001, viser at rettsikkerheten er godt ivaretatt. 1. januar 2008 trådte det i kraft nye saksbehandlingsregler for fylkesnemndene som var spesielt tilpasset barnevernssakene. De nye reglene skal sikre en enhetlig og hensiktsmessig saksbehandling i tråd med regler for god saksbehandling i de ordinære domstolene. Moderniseringsprosessen som har pågått i domstolene, har dermed også fått innvirkning for fylkesnemndenes saksbehandling. saksbehandling. En nemnd i en barnevernssak ledes av en fylkesnemndsleder med særskilt juridisk kompetanse. Med seg har fylkesnemndslederen normalt et medlem fra et fagkyndig utvalg og et medlem fra et lekmannsutvalg. Dersom det legges fram en sakkyndig utredning i en sak, skal selvfølgelig ikke den som har laget denne, sitte i nemnda. Jeg mener det er en styrke at det er fagpersoner inne både i utredningen av saken og som delaktige i vedtaket. I tillegg er alle sakkyndige utredninger gjennomgått av Barnesakkyndig kommisjon før disse kan benyttes i fylkesnemnda. Fylkesnemndas vedtak kan videre bringes inn for de ordinære domstolene, og det skjer i en del tilfeller. mange saker. Sånn skal det ikke være. Det er derfor gjort en rekke ting for å gjøre noe med den utfordringen. Det er tilsatt nye fylkesnemndsledere, budsjettet til fylkesnemndene er styrket og ikke minst er fylkesnemndene nylig omorganisert. Jeg forventer at dette skal redusere saksbehandlingstiden. Riksrevisjonen kartla i 2008 og i 2009 årsakene til saksbehandlingstiden i fylkesnemndene. Riksrevisjonen pekte da både på manglende kapasitet og på svakheter i den administrative virksomheten, som vesentlige årsaker til dette. De utfordringene er nettopp det regjeringen har tatt tak i. I inneværende år er budsjettet styrket med for å tilsette nye fylkesnemndsledere, og etter omorganiseringen er det tidligere regionleddet avviklet. Direktøren har gitt de daglige lederne av hver nemnd et tydeligere og mer direkte ansvar, og det er også blitt lettere å få til samarbeid på tvers av nemndene. Jeg kan også opplyse om at vi ser en positiv utvikling, selv om det fortsatt er langt igjen til der vi vil være. Per 1. september var det totalt 722 ubehandlede saker i nemndene, mens dette tallet var redusert til 626 saker per 1. november. Vi ser de siste årene at antallet saker har vært høyere enn det vi har ventet oss, og det har bidratt til problemstillingene, men saksinngangen har per andre kvartal 2011 stabilisert seg på 2010-nivå. Jeg håper at de grepene vi nå har tatt, skal bringe oss nærmere en tilstand som vi kan være bekjent av. Til slutt vil jeg si at fylkesnemndene også i årene som kommer, bør spille en viktig rolle som forvaltningsorganer med ansvar for noen av de vanskeligste, men også viktigste, oppgavene i vårt velferdssystem. Det synes derfor i dag ikke å være gode grunner som tilsier en overføring til domstolen. Det blir replikkordskifte. For å ivareta rettssikkerheten, som statsråden nå er veldig opptatt av, er det viktig at alle sakkyndige parter er objektive og replikkordskifte. For å ivareta rettssikkerheten, som statsråden nå er veldig opptatt av, er det viktig at alle sakkyndige parter er objektive og partsnøytrale i sine vurderinger. Dagens praksis viser at det i mange tilfeller ikke skjer, og menneskerettskonvensjonens artikkel 6 sier at enhver har krav på en rettferdig rettergang. Det har også vært flere undersøkelser som viser stor mangel på kontroll av feilkilder med hensyn til bruk av observasjoner, tester og vurderinger. Fremskrittspartiet mener en rettferdig rettergang krever vanntette skott mellom de psykologene som tar barnevernet, og de som påtar seg å være sakkyndige meddommere for domstolene og fylkesnemndene. Mitt spørsmål blir da: Mener statsråden at rettssikkerheten blir ivaretatt godt nok i fylkesnemndene, slik de fungerer i dag? Ja, jeg mener vi har et system som fungerer godt. Hovedproblemet med systemet er at vi ikke klarer å behandle sakene raskt nok. Jeg redegjorde i mitt innlegg for de tiltak vi har satt inn for å gjøre noe med det. Når det gjelder at psykologer kan være både utreder for kommuner og sakkyndig medlem av fylkesnemndene, har jeg ikke grunn til å tro at det innebærer noe vesentlig problem i og med at habiliteten alltid skal vurderes i den enkelte sak. Vanntette skott er vanskelig fordi vi aldri må redusere på det vi måtte gjort hvis vi skulle fulgt Fremskrittspartiets forslag, nemlig kravene til kompetansen hos dem som skal være inne i disse sakene. Det er begrenset hvor mange i denne faggruppen som tilfredsstiller de kravene. Derfor må vi stole på at det gjøres gode og grundige habilitetsvurderinger i den enkelte sak. Jeg har ikke grunn til å tro noe annet enn at det blir gjort. Jeg tar signalene som statsråden ga, til etterretning, også i forhold til de spørsmål jeg reiste i mitt innlegg. Nå er

Nå er jo ikke 10 mill. kr til ny ledelse all verdens midler i forhold til den kapasitetsutfordringen som synes å være i fylkesnemndene. Det er saksbehandlerleddet som nok må styrkes atskillig for å få sakene unna. Slik sett er det i hvert fall vårt klare signal at dette er et område som må styrkes ytterligere, uten at vi har detaljinnsikt i dette nå. Mitt spørsmål til statsråden er om han er enig i at det er kapasiteten totalt som må økes, i forhold til å få løst etterslepet som vi nå står overfor.

som – hvis den fortsetter – forhåpentligvis vil bringe oss dit vi skal. Men vi må også ha en kapasitet som står i stil med den store vekst som har vært i antall saker de siste årene. Vi vil nå først få se resultatene av den økte bevilgningen vi har hatt i inneværende år. I tillegg har vi på toppen lagt en del penger for neste år. Jeg vil følge veldig nøye med på dette, også i de kommende budsjettrundene, for eventuelt å bevilge større midler hvis det trengs for å utvide kapasiteten

er sikker på at de tiltakene som han viser til for strukturen på fylkesnemndene, reelt sett øker behandlingskapasiteten, eller om det bare er en opprydning i struktur og ikke i kapasitet. Det andre spørsmålet er det som går på kvaliteten i behandlingen. Vi får, som nevnt her, stadige innspill og synspunkter som går på at om ikke det er i samme sak, så er det i hvert fall de samme menneskene som utreder for kommunen, og som kommunen møter igjen som sakkyndige i nemnda – at det er et lite miljø av sakkyndige som pendler mellom disse rollene, og at det svekker kvaliteten i systemet. Oppfatter statsråden at det er et problem? Det første først: Jeg mener at vi Jeg mener at vi av de tallene som vi nå har, kan se at de grepene vi har satt inn, begynner å virke. For enkelte nemnder er berammingstiden betydelig redusert i forhold til første tertial, i tillegg til at antall ubehandlede saker har gått ned fra september til november. Vi har i tillegg til endringene jeg nevnte, også gjort det mulig for nemndledere fra nemnder med større kapasitet å hjelpe til med saker i nemnder der ventetiden er lang. Det har også bidratt positivt. Saksbehandlingstiden ser vi varierer kraftig mellom nemndene. Det indikerer, mener jeg, at det fortsatt er et potensial for forbedring, og at det ikke bare er investeringer i kapasitet, men også smart organisering som må til. Så nevnte man dette med den sakkyndige kompetansen. Det korte svaret på det er at den kan helt sikkert alltid bli bedre. Jeg tror ikke svaret her er vanntette skott, men det er klart at mer kompetanse også vil gjøre det lettere å være sikker på at vi unngår rolleblanding. Replikkordskiftet er omme. De talere som heretter får ordet, har en taletid på inntil minutter. I to år har jeg vært medlem av familiekomiteen, og av og til lurer jeg på om det er bare undertegnede som får alle disse telefonene fra fortvilte tanter, onkler, besteforeldre og foreldre. Så vet jeg at jeg hele veien når jeg får de telefonene og hører at voksne folk sitter og griner i telefonen i frustrasjon over avgjørelser i fylkesnemndene, alltid må tenke på at det er to sider av en sak. sak. Det prøver jeg alltid å ha med meg. Likevel hadde jeg håpet at denne debatten ikke skulle være en debatt om at det er for lang saksbehandlingstid, og at det er for mange saker i fylkesnemndene. Det er vi alle helt enige om at vi må gjøre noe med. Men vi kunne hatt en debatt om rettssikkerheten, sånn at vi kunne være helt sikre på at i de avgjørelsene som blir tatt i fylkesnemndene, er rettssikkerheten til barna og familien ivaretatt.

bedre? Jeg mener at et viktig spørsmål i denne debatten er om vi er sikre på at rettssikkerheten i barnevernet fungerer på rett måte. Så har jeg lyst til å takke for signaler som kommer både fra Senterpartiet og fra Høyre, og på slutten fra Kristelig Folkeparti, om at det er viktig å ha en debatt Nå fremmer Fremskrittspartiet et forslag om å legge ned fylkesnemndene. Ja, det kan godt være at det er for tidlig å fremme det forslaget, men vi vet at Fremskrittspartiet mange ganger ligger foran sin tid. Det som er viktig, er i hvert fall at vi får på plass et organ som ivaretar rettssikkerheten. Så får vi bare beklage at vi ikke får flertall for det forslaget i dag, men jeg håper at statsråden likevel vil ta med seg de alvorlige bekymringene som vi har tatt opp i saken om at det er en liten pott med sakkyndige og psykologer, som er et lite miljø, at han tar med seg de problemstillingene som blir reist, og at han i det videre arbeidet med barnevernet kan forsikre oss om at rettssikkerheten til barna skal bli ivaretatt.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

Helleland. Da kontantstøtten ble innført, mottok tre av fire ett- og toåringer slik støtte. Høyre ser på kontantstøtten som et viktig bidrag til familienes valgfrihet og mulighet til å sy sammen en hverdag som passer for den enkeltes familie. Høyre vil arbeide for å opprettholde familienes valgfrihet fordi vi mener det er til barnas og familienes beste. Vi vet at trygghet er viktig for å sikre barn gode oppvekstvilkår, og Høyre legger til grunn at familienes valgfrihet skal sikres, ikke minst i lys av den respekt vi skylder den unike ramme som den enkelte familie representerer. Det gjelder også familier som har sitt utspring i andre kulturer. Det synes jeg det er grunn til å understreke, for både i forbindelse med dette forslaget og i enkelte andre sammenhenger diskuteres kontantstøtten i lys av ønsket om å regulere nettopp disse familienes Antallet mottakere av kontantstøtte har gått kraftig ned i takt med den store utbyggingen av barnehager vi har hatt de siste årene. Det gjør ikke ordningen mindre viktig. Antallet er i seg selv ikke avgjørende for dette. Forslagsstillerne begrunner sitt forslag om å begrense retten til å motta kontantstøtte ut fra statsborgerskap ut fra integrasjonshensyn. Det er en liten del av kontantstøttemottakerne som er dårlig integrert. Om lag ¼ av kontantstøttemottakerne har innvandringsbakgrunn, og blant disse igjen er det mange som er godt integrert. Noen av de familiene som mottar kontantstøtte, kan man konstatere har en dårlig grad av integrering, men fra Høyres synspunkt og fra flertallets synspunkt er kan man konstatere har en dårlig grad av integrering, men fra Høyres synspunkt og fra flertallets synspunkt er det ikke kontantstøtten som skal være regulerende for dette. Viktigere er det at man har andre og mer målrettede ordninger for å gripe fatt i nettopp disse. I Høyres alternative budsjett for 2012 satser vi på en bedre språkopplæring, arbeidstrening og redusert foreldrebetaling i barnehagen, som tiltak for å styrke integreringsarbeidet. Gratis barnehage for alle som deltar i introduksjonsprogrammet, økt støtte til norskopplæring og lavere foreldrebetaling i barnehagen for familier med lav inntekt vil gi barn og foreldre fra minoritetsfamilier bedre norskkunnskaper, og dermed bedre muligheter for og dermed bedre muligheter for å mestre skolen og delta i samfunnet. Dette er målrettede tiltak som vil få flere mennesker med minoritetsbakgrunn integrert i samfunnet. Dette er god integreringspolitikk. Kontantstøtten er bostedsbasert. Alle som er bosatt i Norge, er pliktige medlemmer av folketrygden, uavhengig av statsborgerskap. Rett til kontantstøtte avhenger av at barnet er bosatt i Norge. Høyre, i likhet med flertallet i komiteen, finner ikke grunn til at det norske trygdesystemets klare hovedregel skal fravikes, og mener at vi må fremme andre typer forslag for å løse de utfordringene forslagsstillerne tar opp i sitt forslag. Høyre er glad for at også forslagsstillerne mener at kontantstøtten er en viktig ordning for å sikre familienes valgfrihet og til å kunne velge omsorgsløsning for egne barn. Problemstillingene de tar opp når det gjelder barn og integrering, er også relevante. Høyre er derimot uenig i det fremlagte forslag til løsning på disse utfordringene. Arbeiderpartiet er

mens en mor med etnisk norsk bakgrunn skal ha mulighet til å gjøre det. For det finnes også familier i Norge med etnisk norsk bakgrunn som definitivt har problemer når det gjelder språkutvikling, og som har barn som har bedre av å gå i barnehage enn å være hjemme hos familien. Her er det ingen grunn til at man skal forskjellsbehandle. Vi er enig i at at den beste løsningen når det gjelder integrering, men også med tanke på å løse problemer som vi ser i en del ressurssvake familier – barn som har problemer med språkutvikling, sosial trening og sånne ting – er at vi avvikler kontantstøtten og gir disse barna et godt barnehagetilbud. barnehagetilbud. Det er også masse forskning som nå dokumenterer dette. Vi har mor–barn-undersøkelser som viser at treåringer fra ressurssvake familier har en dårligere språkutvikling enn treåringer som har gått i barnehage. Vi har resultater fra forskning som ble foretatt første gang i 1976–1979, og som ble fulgt opp nå for et par år siden, som viser at barnehagen bidrar til en positiv utvikling, ikke minst for barn som kommer fra veldig ressurssvake familier. Det er også en side av saken som jeg håper Fremskrittspartiet vil se på. Men vi er enig med Fremskrittspartiet med med Fremskrittspartiet med hensyn til alle de offentlige utredningene som er kommet de siste årene, som gjelder integrering. Vi har fire offentlige utvalg: Østberg-utvalget, Kaldheim-utvalget, Brochmann-utvalget og også for den saks skyld Fordelingsutvalget. Alle fire utvalgene konkluderer med at man enten bør kutte ut kontantstøtten eller kutte i den, nettopp ut fra et integreringshensyn. Så er det spørsmålet om valgfrihet. Den viktigste valgfriheten for norske kvinner, enten de er fra Somalia, fra Norge eller fra andre land, og som bor i Norge, er muligheten til å få barn samtidig som man er yrkesaktiv. Hvis man ser dette i et perspektiv utenfor Norges grenser, er kvinner i både Tyskland og Italia misunnelige på oss fordi vi har muligheter til det. Dette er den største valgfriheten. Derfor mener vi at vi fortsatt skal ha en offensiv utbygging av barnehager. Vi ser også at når småbarnsforeldre får muligheten til å velge, velger de ikke kontantstøtte. Da Bare se på den utviklingen som har vært siden 2000 og fram til i dag, det er bare en tredjedel som tar imot kontantstøtte i dag i forhold til for bare ti år tilbake. Dette betyr at når man setter i gang en massiv utbygging av barnehager, foretrekker familiene barnehage framfor kontantstøtte. Derfor håper jeg at Fremskrittspartiet istedenfor å komme med forslag som er diskriminerende, og som faktisk bidrar til å forskjellsbehandle norske borgere, gjør som regjeringspartiene nå foreslår i sitt budsjett: å avvikle kontantstøtten for 2-åringene. Det er det beste integreringstiltaket som er gjort i Norge på lang

tid. Jeg vil først av alt få takke representanten Gunn Karin Gjul fra Arbeiderpartiet for støtten når det gjelder integreringspolitikken. Det viser bare at Fremskrittspartiet og Arbeiderpartiet står veldig mye sammen og har like meninger om integreringspolitikken. Så til saken: For Fremskrittspartiet har kontantstøtten alltid vært en viktig ordning, som først og fremst skal likestille alle småbarnsforeldre med hensyn til overføringer av offentlige midler I tillegg mener Fremskrittspartiet at kontantstøtten er og har vært en viktig Fremskrittspartiet mener det er et gode at foreldre som ønsker å tilbringe tid med barna sine de første leveårene, gis mulighet til dette. Selv om vi ser at resultatet av barnehageforliket har ført til at antallet barn som går i barnehager, har økt, mener vi at valgfriheten til foreldrene er viktig, og at kontantstøtten derfor må opprettholdes, slik den er i dag. Det er opp til foreldrene å velge barnepass, men vi ser at fokusering på barns lek, læring og sosialisering kan ha vært en viktig forklaringsgrunn til at noen allerede i barns andre leveår velger å benytte seg av retten til barnehageplass, og for noen foreldre er barnehage det beste for deres barn og familie. i denne salen som kommer til å si at dette forslaget ikke vil ha betydning etter at regjeringen nå endrer kontantstøtten for neste år til kun å gjelde ettåringer. Det er nok helt sikkert også noen som vil si at Fremskrittspartiet med det forslaget som ligger til behandling, har fremmet et forslag der vi snakker mot oss selv ved å fremme et forslag om å frata noen familier den valgfriheten. Det skal jeg ikke argumentere mot, men prøve å forklare hvorfor Fremskrittspartiet fremmer dette forslaget. Vi har i dag en utfordring med EØS-avtalen sett i forhold til de trygdeytelsene og sosialytelsene vi har i dag. Da ser vi at det er viktig å se på avgrensinger av dette. Selv om motstanderne argumenterer med at det ikke er så mange foreldre med minoritetsbakgrunn som mottar kontantstøtte, er det likevel en altfor høy andel, slik Fremskrittspartiet ser det. Mange av de foreldrene som Mange av de foreldrene som i dag mottar kontantstøtte, er foreldre med minoritetsbakgrunn, med bakgrunn fra land utenfor Europa, og begrunnelsen for å velge kontantstøtte framfor barnehageplass har i noen minoritetsmiljøer vært at de skal lære sin egen kultur først. Fremskrittspartiet mener, og det viser også en del undersøkelser, at tilpassing til og deltakelse i det norske samfunnet er noe mange innflyttede personer finner utfordrende, og spesielt er det utfordrende for kvinner fra land med patriarkalsk struktur – de kan oppleve integreringsprosessen vanskelig. Det er i et slikt perspektiv kontantstøtten kan framstå som et hinder for å fremme integrering, og således ha motsatt effekt. Det er det som har vært hovedformålet til Fremskrittspartiet med å fremme denne saken. Selv om familiene skal ha valgfrihet til å velge det som er best for familien, vet vi alle at alle at det er viktig at barna så tidlig som mulig gis mulighet til å ta del i aktiviteter utenfor husets fire vegger og er i interaksjon med andre barn. Vi har sett at barnehager for barn i denne gruppen framstår som effektiv integrering gjennom lek, læring, sosialisering, språktrening og samhandling – i motsetning til kontantstøtte, som gjør at mor som regel velger å være hjemme med barna. barna. Fremskrittspartiet registrerer at flertallet mener Fremskrittspartiet tar opp relevante problemstillinger for barn og integrering i forslaget, uten at de kommer med konkrete forslag til løsninger selv. Det er ofte enkelt bare å lukke øynene og tro at alt går over av seg selv, men for disse barna og disse familiene det gjelder, går det ikke over. Dagens avgrensing av rett til kontantstøtte ivaretar ikke interessene til barn og kvinner fra enkelte minoritetsmiljøer. På denne bakgrunn er det Fremskrittspartiet fremmer denne saken om å forbeholde retten til kontantstøtte til norske statsborgere og borgere fra EØS-området. Fremskrittspartiet er vant med å få kritikk for slike forslag, men ofte får vi rett likevel etter en tid. For Fremskrittspartiet har det viktigste vært å styrke muligheten for best mulig integrering, og ikke minst styrke barnas muligheter til å

til. Dette forslaget er nok et eksempel på Fremskrittspartiets hule valgfrihetsretorikk. I alle sammenhenger der jeg har vært de siste årene i hvert fall, velger Fremskrittspartiet å hevde at det er en soleklar rett å velge hjemme med barna. Ja, faktisk løper de omtrent med stokker og skjellsord etter regjeringen når den fremmer likestillingspolitikk, f.eks. pappaperm: Staten overstyrer, lyder det vanlige hylekoret fra Fremskrittspartiet. I dag avslører de at den valgfriheten de til vanlige prediker, ikke skal gjelde for alle. Det viser de i spørsmål som omhandler trygd, og det viser de i andre debatter i Stortinget, og også i dette forslaget. Fremskrittspartiet er kjent for å bli feminister hvis det betyr at de kan argumentere for restriktiv innvandringspolitikk. De later som om «ulikestilling» er et problem de andre har. Med «de andre» mener de ofte muslimer eller innvandrere. Samtidig kjemper Fremskrittspartiet imot all den gode likestillingspolitikken som har vært innført i Norge historisk sett, og som blir gjennomført nå. Dette er en dobbeltmoral jeg reagerer på. Mitt spørsmål til Fremskrittspartiet er følgende: Er det bare kvinner med minoritetsbakgrunn som blir likestilte av å jobbe, eller gjelder det også norske I den sammenheng kan det være artig å peke på den Fafo-rapporten som viser at norske minoritetskvinner er mer yrkesaktive enn italienske majoritetskvinner. Det er ingen hemmelighet at SV er motstander av kontantstøtten. Det er vi fordi den hindrer kvinnelig yrkesdeltakelse, den er til hinder for likestillingen i Norge, den holder barn som trenger det utenfor barnehage – og da snakker vi ikke bare om minoritetsbarn, da snakker vi også om barn som kommer fra hjem med lite ressurser – og det var den borgerlige regjeringens måte å kjøpe seg ut av barnehageløftene på i sin tid. Men vi i SV kommer til å være klinkende klare på at så lenge det er en rett til kontantstøtte i Norge, skal den gjelde alle. Kontantstøtten er

dette forslaget, for jeg opplever at både Senterpartiet og Fremskrittspartiet er veldig opptatt av viktigheten av kontantstøtten. Det som overrasker meg, er at man i så stor grad velger å fremme integreringsperspektivet og ikke ser på at det faktisk er en ganske liten andel av innvandrerne som mottar kontantstøtte. Jeg er langt på vei enig i mye av det Høyre skisserer i denne saken. Så sånn at argumentet om språkutvikling blir litt mindre relevant nå etter det grepet regjeringen har tatt, der man sier at kontantstøtten kun skal gjelde for ettåringene. Så er det jo sånn at mange uansett vil velge å være hjemme. Det er også noe med at man er nødt til å ha respekt for at noen familier faktisk velger det, fordi de oppriktig mener at det er best for sin familie og sine unger, at det nødvendigvis ikke er best med barnehage i alle tilfeller. Så var representanten Gjul også inne på spørsmålet om barnehage og kontantstøtte, og sier at et flertall velger barnehage. Men det er jo et økonomisk spørsmål. Jeg mener at regjeringen i denne saken har vært med å øke valgfriheten for familiene, nettopp ved at man øker støttebeløpet, så enda flere familier har mulighet til å ta et reelt valg om man ønsker å være hjemme eller ikke. Det andre som overrasket meg litt, er at Fremskrittspartiet med dette forslaget er med på å redusere verdien av kontantstøtten. Man løfter det liksom ikke opp som en generell ordning som skal være like viktig for alle, men begynner med en debatt som går ut på å avgrense den, istedenfor å si at den skal være en universell ordning på lik linje med andre ordninger. At man velger å gjøre det, mener jeg er med på å svekke kontantstøtten som ordning, og det synes jeg litt spesielt. Så tok representanten Horne opp det om å snakke mot seg selv. Jeg hadde egentlig ikke tenkt å si noe om det, men i og med at hun selv nevnte det, slo to ting meg. Vanligvis befinner vi oss på hver vår side her. Når man diskuterer valgfrihet, er det som blir beskyldt for å redusere valgfriheten, mens Fremskrittspartiet ønsker mer valgfrihet. Det er to ting: For det første virker det som det er noen saker der Fremskrittspartiet vet hva som er best for familien. Vi får ofte kastet det etter oss at regjeringspartiene liksom vet hva som er best for familien. Derfor har vi sånne og sånne ordninger, og vi velger å sette noen Men her virker det som om Fremskrittspartiet i noen saker vet hva som er best for familien. Ikke når vi snakker om foreldrepermisjon, men når det gjelder kontantstøtte, vet man det. Det andre er det med at prisen for valgfrihet er at folk ikke alltid velger det man selv mener er rett. Sånn er det i alle saker. Det hender man legger inn noen føringer eller knytter noen krav til ulike goder, fordi man mener at at det er rett ut fra mange perspektiver. Sånn er det åpenbart også for Fremskrittspartiet akkurat når det gjelder kontantstøtte, selv om man mener at det ikke er rett når man snakker om

Folkeparti er for valgfrihet, fordi vi tror at foreldrene rett og slett er i stand til å gjøre gode og kloke valg, og at de vet best hva som er bra for sin familie og ungene. Fremskrittspartiet er for valgfrihet, fordi man mener at foreldrene vet best for sine unger, hvis de har statsborgerskap i i EØS-området. Så en liten bemerkning til SV, som stadig utfordrer Fremskrittspartiet på ulike områder. Ikke minst i integreringspolitikken, har vi jo gjentatte – mange – eksempler på at SV bruker kontantstøttestatistikken til å stigmatisere innvandrere. Fordi x antall innvandrere bruker kontantstøtten, er det per definisjon et integreringsspørsmål, altså underforstått: En innvandrer som bruker kontantstøtten, er dårlig integrert. Det er stigmatisering. Fjerning av kontantstøtten er svaret. Hva var spørsmålet? Det kan vel stå som en overskrift på mange av de innleggene som jeg har hørt i dag – og ellers – fra de rød-grønne om om kontantstøtten. Representanten Gjul viser til at når foreldrene får anledning til å velge, velger de barnehage. Og hva begrunner hun det med? Jo, statistikken viser at flertallet av foreldrene velger barnehage. Ja vel, jeg venter med spenning på at de rød-grønne nå fjerner den valgfrie delen av foreldrepermisjonen, for i flertallet av familiene er det jo mor som bruker den. den. Far bruker bare sin tildelte pappakvote. Flertallet gjør det, ergo er det det familiene vil. Hvis det er sånn de rød-grønne tenker, venter jeg spent på fortsettelsen. Så til integreringsargumentet. Det vises til stadighet til diverse NOU-er og rapporter som er kommet. Jeg utfordrer de representantene som stadig viser til de rapportene, til å lese dem. Det er faktisk ingen av de NOU-ene som er lagt fram, som dokumenterer at kontantstøtten er et problem for Det de rapportene viser til – de går stort sett inn på det man har fått beskjed om å utrede – er at kontantstøtten er et incentiv som gjør at det relativt sett blir mer lønnsomt å være hjemme istedenfor å bruke barnehage for ettåringer og toåringer. Fordi det er et incentiv for det, foreslår man å fjerne den – ut fra et snevert perspektiv og det mandat som man har fått tildelt. Det dokumenteres ikke at det er et problem for integreringen. Tvert imot er det sånn, som statistikken viser, at de fleste som bruker kontantstøtten, er norske foreldre. De som bruker kontantstøtten, er fra helt ulike deler av verden. Hvis det er noen som våger å påstå at de fleste innvandrere som bruker kontantstøtten, er dårlig integrert, vil jeg gjerne se den påstanden dokumentert. Jeg vil påstå det motsatte. De fleste innvandrere som bruker kontantstøtten, er godt integrerte familier. Så er spørsmålet: Når det gjelder den andelen

de utvalgene man stadig støtter seg på, har faktisk sagt at fjerner man kontantstøtten, må man legge inn kompenserende tiltak. Regjeringen har utelukkende fjernet kontantstøtten fordi man mener at barna må i barnehage. Så kommer statsbudsjettet, og så bygger man ikke engang barnehageplasser til disse ungene. Fjerning av kontantstøtten er svaret – hva var spørsmålet? Hvis man mener at disse familiene faktisk er ressurssvake, eller at ressurssvake familier er overrepresentert, er 3 300 kr mindre i måneden det eneste de rød-grønne har å tilby de familiene. Det er i måneden det eneste de rød-grønne har å tilby de familiene. Det er dobbelt usosialt. Aller først: Representanten Håbrekke nevnte noe om at SV stigmatiserer innvandrere. Jeg tror nok SV kan klare å svare på dette selv, men jeg er ganske sikker på at det iallfall ikke er deres hensikt å gjøre det. Det er iallfall ikke statsråd Lysbakkens hensikt å gjøre det. Men det var ikke derfor jeg tok ordet. Jeg vet ikke om det er parlamentarisk språkbruk, men jeg ble bitte lite grann irritert over representanten fra Fremskrittspartiet. Nå er jeg iallfall her, og jeg er litt mindre irritert nå, for jeg har fått gått meg en tur ut. Jeg har bare lyst til å si det er kanskje slik demokratiet er, at det er kanskje slik demokratiet er, at man kan ha ønske om å lage parallelle regler for ulike samfunnsgrupper i Norge. Vi må rett og slett finne oss i at enkelte partier ønsker å gjøre det. Vi i Venstre ønsker ikke det; vi ønsker ikke parallelle samfunn. Vi ønsker heller ikke ulike typer regelsett for ulike borgere. Vi vil ikke ha doble standarder, som Fremskrittspartiet tar til orde for. Dette kommer imidlertid i flere Jeg husker en tidligere debatt som Arbeiderpartiet var med på. De ville forby søskenbarnekteskap. Jeg var med i den debatten og kunne være med på at man ut fra medisinske årsaker kan forby ekteskap mellom søskenbarn. Det er en noe fremmed tanke i Norge, uansett, å forby ekteskap, med unntak for de ekteskapene vi allerede har forbudt. Arbeiderpartiet ville den gangen innføre det forbudet i utlendingsloven. Det var litt fremmed for ikke få lov til å komme til Norge. På den måten ville man stoppe søskenbarnekteskap på tvers av landegrensene. Men dersom det var en fetter eller en kusine i Norge, var det greit. Det tok jeg til orde imot, for jeg mener at vi ikke kan lage to ulike typer regler, en som skal gjelde for hva skal en si – nordmenn-nordmenn, og en som skal gjelde for bindestreksnordmenn, eller for dem som reiser til utlandet. Akkurat dette tar nå Fremskrittspartiet til orde for. De vil ha ett regelsett for statsborgere som er helt norske, og selv om en har bodd i Norge i mange, mange år, skal en altså ikke få rett til et velferdsgode. Vi kan gjerne ha en Vi kan gjerne ha en debatt om kontantstøtten, men jeg mener det må være like regler for alle borgere. Og vi politikere i denne sal skal iallfall forsøke å gå foran som et godt eksempel for andre mennesker i samfunnet, som skal forsøke å ta etter oss. Jeg mener at forslaget fra et eksempel på noe annet – iallfall når de vil ta til orde for doble standarder. Venstre vil selvfølgelig stemme imot Fremskrittspartiets forslag. Jeg er veldig enig i veldig mye av det andre som framkommer i innstillingen, særlig det som er blitt framført av de representantene

Norge. Stortinget har i dag til behandling et forslag som vil begrense rettighetene til noen av landets innbyggere, utelukkende med den begrunnelse at de mangler norsk statsborgerskap. Jeg er glad for at komiteens flertall ikke støtter det forslaget. Norsk trygd bygger på bosettingsprinsipppet. Det betyr i hovedsak at alle som bor i Norge, har de samme trygderettighetene. Det betyr også at hvis man flytter fra Norge,

Jeg synes dette er et avslørende forslag. Fremskrittspartiet pleier å framstille de politiske motsetningene i familiepolitikken slik at de står for frihet og vi andre står for formynderi. Nå ser vi at det de egentlig mener, er at de vil ha frihet for det representanten Raja så treffende kalte «nordmenn-nordmenn», og formynderi for de andre. Jeg synes det er en uakseptabel tilnærming. Det viser at Fremskrittspartiet ikke står for liberalisme, men en Det viser at Fremskrittspartiet ikke står for liberalisme, men en høyst selektiv form for liberalisme. Den gjelder bare for noen. Så må jeg helt kort få lov til å kommentere representanten Håbrekkes innlegg. Jeg synes det er temmelig drøyt å påstå at SV har drevet stigmatisering av innvandrere fordi vi har ment – og mener – at kontantstøtten har uheldige integreringsmessige konsekvenser. Jeg mener også at Håbrekke leser de ulike utredningene på en litt spesiell måte. Jeg mener at summen av det som i de utredningene er lagt fram for oss, er overbevisende når det gjelder de negative integreringsmessige konsekvensene av kontantstøtten. Kontantstøttebruken er høyere blant familier med bakgrunn i andre land, samtidig som yrkesdeltakelsen blant kvinner i de samme gruppene er lavere, og barnehagedeltakelsen blant barn i de samme gruppene er lavere. Til sammen utgjør det et reelt integreringsproblem, og jeg synes det er lettvint av Kristelig Folkeparti å late som om det ikke finnes. Så kan vi selvfølgelig diskutere hva vi gjør med det. Jeg har stor respekt for at vi har ulike løsninger, men bare å slå en strek over det og slå en strek over det og si at det ikke er en problemstilling, synes jeg blir for enkelt. I tillegg er det slik at vi har en rekke tiltak i integreringspolitikken som nettopp er rettet inn mot å gjøre noe med disse problemstillingene. Programmet Ny sjanse f.eks., som jeg er en varm tilhenger av, har nettopp kvinner i denne situasjonen som målgruppe. De kvinner som ikke fanges opp av kvalifiseringsprogrammet fordi de ikke har vært hjemme i lang tid med sosialstønad eller trygd, men f.eks. har vært hjemme med kontantstøtte, får en mulighet til å komme inn i yrkeslivet. Det har vi svært god respons på. Gratis kjernetid til barn i områder der vi har en kombinasjon av levekårsutfordringer og høy minoritetsandel, viser seg også å være svært vellykket. vellykket. Det viser at det er fullt mulig å bygge opp tilbud som gjør at disse familiene kan klare seg godt uten kontantstøtten. Avslutningsvis vil jeg si at i motsetning til Fremskrittspartiet er jeg av den oppfatning at kontantstøtten ikke bare har uheldige konsekvenser for dem uten norsk pass. Jeg har aldri ment at kontantstøttedebatten bare skal være en debatt om integrering, det er også i aller høyeste grad en debatt om likestilling og om god familiepolitikk. De endringene som kommer i kontantstøtten fra neste år, omfatter derfor alle barn og forskjellsbehandler ikke etter nasjonalitet. Det bør vi, uavhengig av syn på kontantstøtten, være glad for.

Fremskrittspartiet ikke behøver å bli feminister for å argumentere for en strengere innvandringspolitikk. Men når det er sagt, har uttrykket «ressurssvake familier» blitt brukt flere ganger i debatten. Det er et uttrykk jeg liker veldig dårlig, og det stigmatiserer en del familier. Jeg ønsker å høre hva statsråden legger i uttrykket «ressurssvake familier»? familier»? Jeg kan ikke huske å ha brukt det begrepet. Hvis jeg har det, vil jeg si at jeg er enig i at denne debatten ikke handler om familier som er ressurssvake generelt sett, men ofte om familier som av ulike grunner har dårligere forutsetninger enn andre for f.eks. å lykkes i arbeidslivet i Norge. Det kan f.eks. handle om familier med flyktningbakgrunn som kommer til Norge fra land med ødelagte utdanningssystemer. Vi har et arbeidsmarked i Norge som krever en høy grad av kompetanse og spesialisering. Det er en utfordring i integreringspolitikken. Men det er en utfordring som kan løses, og som jeg er langt mer optimistisk i forhold til enn det Fremskrittspartiet pleier å være, bl.a. fordi vi i dag har et introduksjonsprogram som fungerer, vi har program av typen Ny sjanse, som jeg nevnte, som gir tilbud om kvalifisering, om språkopplæring og om de grunnleggende forutsetningene for å lykkes i Norge. Men så gjelder det også å unngå at vi har incentiver som trekker i motsatt retning, f.eks. å betale folk for å la være å bruke de mulighetene som vi prøver å gi for å komme inn i arbeidslivet. Jeg mistenker ikke Fremskrittspartiet for å være i noen sammenheng. Det kan jeg forsikre spørreren om, men jeg synes likevel det er litt påfallende at partiet bruker likestillingsargumentene litt selektivt. De kommer med en tetthet i integreringsdebatten som vi ikke er vant til å se fra det partiet i alle andre debatter. Jeg skal ikke bruke replikkens ene minutt til å korrigere alle unøyaktighetene i statsrådens innlegg, men jeg har et par spørsmål. Så

nye barnehageplasser. Hvilke familier blant dem som bruker kontantstøtten, tror statsråden det er som kommer til å søke barnehageplass, og der den forelderen som er hjemme, kommer til å søke arbeid? Er det de godt integrerte familiene, som snakker godt norsk og har utdanning og muligheter for å komme raskt ut i jobb, eller er det de dårlig integrerte familiene, som kanskje til og med har en mor eller en far som snakker dårlig norsk og ikke har gode muligheter til å komme inn på arbeidsmarkedet? Meg bekjent var det ingen unøyaktigheter i mitt innlegg. Men derimot i sitt innlegg tidligere sa representanten Håbrekke at de familiene som tar kontantstøtte, er godt integrert. Når representanten nå spør meg hva vi vil gjøre for dem som er dårlig

en deltakelse fra de barna som aller mest trenger barnehage, og som samtidig ofte kommer fra de familiene der det er aller viktigst å få mor inn i arbeidslivet, både for integreringen og for likestillingens skyld. Bare la meg slå fast at valgfrihet for familiene er utrolig viktig for Fremskrittspartiet, og skyld. Bare la meg slå fast at valgfrihet for familiene er utrolig viktig for Fremskrittspartiet, og er en av de sakene vi kjemper for. Men akkurat i denne spesielle saken står integrering foran valgfrihet på grunn av at det er så viktig å få disse familiene integrert i det norske Representanten Gunn Karin Gjul fra Arbeiderpartiet var enig med Fremskrittspartiet i at kontantstøtten i slike tilfeller i grunnen bør bort, for å sikre integrering. Mitt spørsmål til statsråden blir: Er statsråden enig med representanten Gunn Karin Gjul fra Arbeiderpartiet i at kontantstøtte kan hindre integrering av enkelte familier?

De aller fleste innvandrere som kommer til Norge i dag, kommer fra EØS-området, også de fleste kontantstøttemottakerne. Det har Fremskrittspartiet nå tatt konsekvensen av – i motsetning til i debatter tidligere i år – og erkjent at en sånn regelendring også vil måtte gi kontantstøtte til EØS-borgere. Men det avslører Fremskrittspartiets retorikk i integreringsdebatten, fordi man opptrer som om integreringsutfordringene kun er knyttet til gruppen med flyktningbakgrunn, mens vi vet at kanskje det viktigste for integreringspolitikken de neste årene er å lykkes med integreringen av de østeuropeiske

kjernetid at fortsatt er det, meg bekjent, ingen tilbud om gratis kjernetid i kontantstøttealder. Tvert imot, det gjelder barn i fire–femårsalder og enkelte steder barn i alderen tre til fem år. Det er også feil at jeg i mitt innlegg ga uttrykk for at ingen kontantstøttemottakere er dårlig integrert. Tvert imot sa jeg at det sikkert er en liten andel av dem som er dårlig integrert. Hvor mange det er, vet jeg ikke, men det er andre tiltak som må til. Nettopp derfor stilte jeg men det er andre tiltak som må til. Nettopp derfor stilte jeg mitt spørsmål til statsråden, som statsråden ga et veldig utilfredsstillende svar på. Når regjeringen legger opp til 1 160 nye barnehageplasser for 8 000 unger som mister kontantstøtten, hvem av de 8 000 familiene er det som da søker barnehageplass, og der man går ut i jobb? Er det de familiene som er dårlig integrert, som ergo har en lang vei inn i arbeidsmarkedet, og som kanskje snakker dårlig norsk, osv., som da vil søke de barnehageplassene, eller er det de godt integrerte familiene som tar imot kontantstøtte, som kanskje har permisjon fra en jobb, og som snakker godt norsk? Jeg bare spør. Jeg venter fortsatt på et svar. Så venter jeg fortsatt på dokumentasjon for påstanden om at kontantstøtten er et integreringsproblem. godt norsk? Jeg bare spør. Jeg venter fortsatt på et svar. Så venter jeg fortsatt på dokumentasjon for påstanden om at kontantstøtten er et integreringsproblem. Når man leser de NOU-ene som man hele tiden viser til, er det faktisk incentivet i kontantstøtten de er uenig i. De dokumenterer heller ikke at kontantstøtten i seg selv er problemet, eller at fjerning av kontantstøtten løser problemet. Men de ønsker å fjerne det incentivet, og det er begrunnelsen. I hvert fall ett av de utvalgene peker på at her er det klart forhold er vel så viktige som de økonomiske. Dokumentasjon for påstander er alltid velkommen. Når det gjelder spørsmålet om hvordan man bruker statistikk, og hva som virker stigmatiserende, viser jeg igjen til de innleggene som nylig er holdt, og der det konstateres at fordi det er en god del innvandrergrupperinger som bruker kontantstøtten, så har vi et integreringsproblem. Det er argumentasjonen som fremmes. Så kan man jo selv vurdere hvorvidt det er stigmatiserende eller ikke. Den enkle konklusjonen får bli at fjerning av kontantstøtten for toåringer dreier seg om én ting, om ideologi. Det dreier seg om at man ikke liker at foreldrene får velge selv, og da er det mye ærligere å innrømme det enn å prøve å lage seg et system av argumentasjon som ikke holder mål. Vi kan gjerne diskutere om vi skal ha kontantstøtten eller ikke, men ut fra denne debatten virker det som om kontantstøtten er den avgjørende bærebjelken i integreringsspørsmålet, at det er det som er avgjørende om vi lykkes med integreringen eller ikke. Det er det jo ikke! Integreringsspørsmålet at det er det som er avgjørende om vi lykkes med integreringen eller ikke. Det er det jo ikke! Integreringsspørsmålet er mye mer. Det handler om språk, det handler om utdanning, det handler om arbeid, det handler om lovlydighet. Som regel er det der det stopper opp for de fleste politikere her i Norge, fordi det er de fire parametre det er mulig å måle ting på: Hvor mye språkopplæring har man gått på? Hvor mange timer har man tatt? Har man tatt høyere utdanning eller ikke? Hvor mange er i arbeid, hvor mange er arbeidsledige? I hvilken grad begår man kriminalitet? Så glemmer man at hoveddelen av integreringsdebatten også dreier seg om verdispørsmål: Hva mener nye borgere om menneskerettigheter? Hva mener man om likestilling? Hva mener man om demokrati? De tingene tør vi ikke, våger mange ikke, i stor grad å ta tak i. Én av de kanskje største utfordringene i dag – vi har en del integreringsutfordringer og kommer til å ha det i årene som kommer – handler om Den statistikken som kom fra NOVA for noen år siden, viser at hvert tredje ikke-vestlige innvandrerbarn i Norge vokser opp under fattigdomsgrensen – og det er det som er årsaken om vi ikke lykkes med integreringen i framtiden. Det er ikke kontantstøtten som er den avgjørende årsaken til det. Den avgjør ikke noe. Vi kan gjerne ha den debatten også – den har vi jo hatt før. Vi de fleste av regjeringspartiene stemte jo forslagene ned da vi la dem fram, men når man da kommer tilbake igjen og later som om kontantstøtten er den avgjørende bærebjelken i om vi lykkes med integreringen eller ikke, så blir jeg litt provosert. Det er andre ting. Men vi kan gjerne diskutere kontantstøtte, og vi kan gjerne diskutere om staten skal betale for enkeltindividets mulighet til å ha barnet hjemme, etc. Det kan vi ha mange meninger om. Dere vet jo hvilke meninger jeg har om det, jeg har om det, men jeg mener at det ikke er avgjørende for om vi lykkes med integreringen. Skal vi diskutere integreringsutfordringer, må vi starte på riktig sted, og det gjelder fattigdom blant innvandrerbarn i Norge. Når hvert tredje ikke-vestlige barn vokser opp under fattigdomsgrensen i Norge, er det store, store utfordringer knyttet til dette. Da snakker vi om tettbebygde strøk, vi snakker ikke minst om vold i hjemmet. Jeg generaliserer ikke nå, men jeg snakker om risikofaktorene som mange innvandrerbarn vokser opp med, altså tettbebygde strøk, fattigdom,

kontantstøtten. Da tror jeg ikke representanten vil kjenne igjen ordentlig stigmatisering når han ser det – han ville i hvert fall være tom for begreper til å dekke det. Det må være mulig å diskutere integreringspolitiske utfordringer uten å falle ned til et sånt retorisk nivå.

for øvrig. Det betyr at det er mulig også å få de yngre barna i denne gruppen inn i barnehagen. Det vil være en positiv utvikling. Så må vi diskutere tiltak som gjør at vi får til det. Jeg og andre representanter for regjeringspartiene har heller aldri sagt at det å bygge ned kontantstøtten løser integreringsproblemene – selvfølgelig ikke. Det er ett bidrag, fordi det fjerner et til å holde kvinner ute av arbeidslivet og barn ute av barnehagene. De fem utredningene som er nevnt, konkluderer jo alle med at kontantstøtten bør bort. Det er et ganske tungt råd, nettopp fordi man ønsker at vi i stedet skal ha incentiver som drar i en annen retning. Så vil jeg si at for akkurat disse familiene har kontantstøtten nettopp ikke vært et verktøy for å kunne velge selv, men en fattigdomsfelle som har holdt mange kvinner unna å bruke de tilbudene som finnes i det norske samfunnet, til å få praksis i språkopplæring og jobb. Så er det en viktig utfordring for oss å sørge for at de som ikke lenger kommer til å ha kontantstøtte, får andre muligheter. Vi har allerede et bredt virkemiddelapparat tilgjengelig, men vi skal selvfølgelig også se på muligheten til å styrke det når disse endringene skjer, fra neste høst. Øyvind Håbrekke har hatt ordet to ganger tidligere og får ordet til en kort merknad, begrenset til 1 minutt. Jeg har sagt det meste jeg har å si i debatten, og jeg skal ikke utfylle så mye mer, annet enn å si at når statsråden bruker ordet «fattigdomsfelle», vil jeg bemerke nettopp det poenget at siden det ikke bygges barnehageplasser til alle disse ungene, er konsekvensen for mange av de familiene det dreier seg om, 3 303 norske kroner mindre utbetalt hver måned. Så kan man reflektere over begrepet «fattigdomsfelle» i den

Hvis jeg var i Kristelig Folkeparti, ville jeg kanskje brukt tiden på det. Så skal vi få plenty av tid til å diskutere kontantstøtten videre i tiden som kommer. Flere har ikke bedt om ordet til sak nr. 12. «Barn er de hendene som vi griper himmelen med.» Dette ordtaket fra 1800-tallet er

for. Det er derfor helt avgjørende at vi som samfunn og lovgivende makt legger de beste rammevilkårene for våre barn. Dette er en intensjon jeg vet hele denne salen støtter. Allikevel er det sånn at det eksisterer noen utfordringer, noe som er bakgrunnen for at jeg prøver å løfte en litt visjonær og framtidsrettet interpellasjon om barns rammevilkår inn for Stortinget. De aller fleste barn i Norge har det bra. Det er imidlertid noen som av ulike årsaker har behov for et sikkerhetsnett. For Fremskrittspartiet har det derfor vært viktig å debattere barnevernets rolle og funksjon som det sikkerhetsnettet det skal være for barn som faller utenfor. La oss slå fast først som sist at barnevernets viktigste oppgave er å ivareta barnas beste og barns rettigheter I 2010 var det rekordstor vekst i barnevernstjenester. Det er viktig at vi ser på årsakene til dette. Det har også vært mange medieoppslag de senere årene, som samlet sett har gitt inntrykk av et barnevern i krise. Vi har sett et økende statlig byråkrati, og at utviklingen har gått i retning av en statlig koloss, som overhodet ikke spiller på lag med det kommunale Dette er en utvikling som ikke støttes av undertegnede. Nærhet og trygghet er avgjørende faktorer for at barnevernet skal lykkes. Denne utviklingen må derfor snus fort. Selv om vi vet at de siste budsjettene har fått en økning i det kommunale barnevernet, og jeg er glad for at vi har fått på plass en øremerking, har vi likevel i de senere års utvikling sett at det har gått i retning av å nedprioritere førstelinjetjenesten og det kommunale barnevern. Stortinget har hatt mange debatter over forslag fra opposisjonen, men ennå ingen saker fra regjeringen utenom budsjettøkningen. Statsråden kom – i januar, var det vel – til Stortinget med en egen redegjørelse. Det er satt ned flere utvalg og et barnevernspanel, som nå er ferdig. Jeg tviler ikke et sekund på at statsråd Lysbakken er opptatt av barnevernet, og det er noe jeg er veldig glad for, men jeg mener likevel at det er ikke gjort nok. Det gjelder både det kommunale barnevernet og nødvendige strukturendringer som det kan være mulig å gjøre uten vedtak i Stortinget, og ikke minst gjelder det den uheldige utviklingen med å bygge ned velfungerende institusjoner før en har fått på plass fosterhjem. Dette er store utfordringer, som vi er nødt til å ta inn over oss. Regjeringen har sagt at den skal komme med en proposisjon. proposisjon. Det er vel og bra, for da kan vi få konkrete tiltak. Det har Fremskrittspartiet ventet på, og vi ser fram til at proposisjonen kommer. Det er likevel viktig at vi har en grundig debatt i forkant av det som regjeringen jobber med. I den sammenheng vil jeg oppfordre statsråden til å lytte til disse innspillene, slik at det endelige resultatet som kommer Det kan jo være, som opposisjonen har sagt mange ganger før, at man kan få gode innspill fra denne talerstolen. Jeg tror det definitivt er på tide å gå fra ord til handling. Jeg håper derfor denne debatten vil bidra til at vi i denne sal legger noen rammevilkår som gjør at alle våre barn får de beste forutsetninger for framtiden. Framtidens barnepolitikk må basere seg på noen grunnleggende verdier, verdier, verdier som sikrer trygge oppvekstvilkår. Den må basere seg på fleksibilitet tilpasset det samfunnet vi lever i. Framtidens politikk må legge til rette for familiers valgfrihet, men også ansvarliggjøring av foreldrene overfor barna. Det må satses massivt på forebygging både i hjem, i skole og i barnehage, og ikke minst på det arbeidet som helsesøstrene og Framtidens politikk må også legge til rette for nødvendige økonomiske rammer, enten det gjelder barnevernstjenesten, helsetjenesten eller tiltak for å bekjempe fattigdom blant barn. Vi kommer aldri utenom den økonomiske diskusjonen. En nøkkelutfordring for framtiden er hvordan vi kan få til et langt tettere og bedre samarbeid med de ulike etatene. I altfor mange tilfeller gjør vi barn og familier til svingdørsinnbyggere, som blir kastet fra kontor til kontor uten en helhetlig tilnærming. Framtidens barnepolitikk må ha som målsetting at man så langt det er mulig, forhindrer at familier får problemer Med den økningen vi ser i barnevernstjenester, må man av og til stille seg spørsmålet: Hvor vil dette ende, og hva kan vi politikere gjøre for å endre den utviklingen? Noen sier at når vi nå ser en økning av saker innen barnevernet, er det kanskje på grunn av at barnevernet nå har begynt å gjøre jobben sin. Det mener undertegnede er en litt for enkel analyse. Dersom stadig flere foreldre blir fratatt ungene sine,

Statsråden har flere ganger sagt til undertegnede at han ønsker at flere plasseres hos nær familie og slekt, og mener at det må stresses mer. Det er fagre ord og ord som Fremskrittspartiet liker å høre, men likevel ser vi at realiteten dessverre er annerledes. Barnevernet har i alle fall ikke mottatt disse signalene i stor nok grad. Barnevernet gjør sine vurderinger, og da nytter det ikke hvis vi ikke fra denne sal gir noen instrukser til barnevernet.

slik at det for framtiden blir sett på som en støttespiller for foreldre, familier og barn som trenger litt hjelp, framfor at barnevernet skal være fienden, som mange oppfatter barnevernet som i dag. Et viktig element som må belyses, er barns rettsikkerhet. Det har vi vært inne på i en debatt tidligere i dag. Barnevernets praksis og maktutøvelse er i mange sammenhenger bukken noe som er et dårlig rettsprinsipp for barna. Barnevernet har for mye makt. Familier er forsvarsløse i møte med det kommunale barnevern, sier flere menneskerettseksperter. Det virker som om barnevernet mer går inn i en politirolle overfor voksne enn inn i en omsorgsrolle rundt barnet. Enkeltpersoner i det kommunale barnevernet har i mange tilfeller for mye makt, og foreldre og besteforeldre er i mange situasjoner tilsvarende maktesløse. Familier føler seg ofte forsvarsløse i møte med barnevernet. Det er ikke mye man kan gjøre hvis man er uenig, fordi barnevernets subjektive mening blir vektlagt tungt i alle instanser. Slik systemet er lagt opp i dag, sier man at barnevernet aldri gjør feil. Det er en skummel holdning. Derfor mener undertegnede at en helhetlig gjennomgang av de maktstrukturer som eksisterer, samt behov for ivaretakelse av barn og familiers rettsikkerhet bør være prioriterte områder for statsråden i tiden som kommer. Forskning viser at barn som mister kontakt med familien, det være seg tanter, onkler eller besteforeldre, får større problemer enn andre barn – barn som mister kontakt med nærmiljø, skole og Det er derfor viktig at vi legger til rette for ivaretakelse av både nærhetsprinsippet og det biologiske prinsipp når vi utformer politikken videre. Med dette avslutter jeg hovedinnlegget og ser fram til å høre hva statsråden mener om de utfordringene vi har framover. Regjeringens fremste mål i oppvekstpolitikken er å sikre alle barn og

bestemme. Gjennom å gi barn og unge innflytelse og eierskap til sine egne lokalmiljøer skaper vi trygghet og tilhørighet. For å utrede unges makt og deltakelse i et bredt perspektiv har regjeringen satt ned et offentlig utvalg, det som vi har kalt «Ungdommens maktutredning». Utvalget skal bl.a. vurdere tiltak som kan bidra til å øke unges innflytelse og unges muligheter til å mestre sine egne liv. Jeg ser fram til å motta utvalgets innstilling i desember i år, og jeg ser også fram til viktige politiske debatter rundt den innstillingen. Barnevernsloven skal være et sikkerhetsnett for de mest utsatte barna i samfunnet. I dag får om lag 50 000 barn og unge hjelp fra barnevernet. Barnevernet når fram til flere enn før og har tillit i befolkningen. Vi forventer at antallet barn som trenger hjelp, fortsatt vil øke. Da er det også behov for flere som kan hjelpe. Derfor er en av de viktigste oppgavene for regjeringen å styrke barnevernet. Det gjør vi gjennom den rød-grønne regjeringens barnevernsløft. Barnevernsløftet er delt i tre: for det første er det et ressursløft for det andre er det tiltak for ny organisering for det tredje er det det vi har kalt «Ny prioritering», en gjennomgang av ulike prinsipper i barnevernet og en diskusjon knyttet til endringer, eller nyorienteringer, av dem For å konsentrere meg om ressursløftet først: Regjeringen øremerket 240 mill. kr til det kommunale barnevernet i 2011. Midlene har gitt 400 nye stillinger og en økning i antall årsverk på over 12 pst. fra 2010 til 2011. Regjeringen foreslår å trappe opp innsatsen i det kommunale barnevernet ytterligere i 2012. Det vil gi 70 nye stillinger i tillegg til de 400 som ble etablert i 2011. Disse midlene vil vi i stor grad prioritere til de små barnevernstjenestene, de med mindre enn fem ansatte. Dette er det største barnevernsløftet på 20 år og styrker førstelinjen i barnevernet vårt, det kommunale barnevernet, kraftig. barnevernet vårt, det kommunale barnevernet, kraftig. Barnevernet håndterer noen av de mest utfordrende sakene som det offentlige står overfor. For å vurdere et barns omsorgssituasjon best mulig må de ansatte i barnevernet ha oppdatert kunnskap for å kunne avdekke omsorgssvikt, vold og overgrep. I år har regjeringen derfor bevilget 52 mill. kr til å heve kompetansen i barnevernet. Bedre kapasitet og mer kunnskap øker kvaliteten på barnevernets arbeid, og det styrker barnas rettssikkerhet. Det aller meste av utgiftene til kommunalt barnevern finansieres gjennom de generelle overføringene til kommunene. De øremerkede stillingene er et viktig bidrag for at barnevernet skal kunne gi god hjelp til utsatte barn, men de er ikke alene nok. En langsiktig styrking av barnevernet vil også avhenge av kommunenes innsats framover. I tillegg til å sette av nok ressurser til barnevernet bør kommunene også lete etter andre virkemidler som kan styrke tjenestene. Interkommunalt samarbeid kan være ett sånt grep. Andre grep er å styrke samarbeidet om utsatte barn og unge, øke kompetansen i barnevernet og gi bedre kvalitet på tjenester og tiltak. Den andre delen av barnevernsløftet er det som handler om ny organisering. For at utsatte barn og unge skal få riktig hjelp til rett tid, er det avgjørende at kommunalt og statlig barnevern samarbeider godt. I 2004 overtok staten de oppgavene som tidligere var fylkeskommunale. Et av hovedmålene med reformen var å gi et godt og likeverdig barnevernstilbud i hele landet. Reformen har nå vart i noen år, og det er på tide å vurdere om det er behov for endringer for å sikre at målene nås. Vi har mye debatt om dette rundt om i Barneverns-Norge. Mange mener at ansvarsfordelingen mellom kommune og stat burde vært en annen. Mange mener at vi i dag ikke organiserer oss på en måte som fører til optimal bruk av ressursene. Og mange mener at det blir for mye konflikter mellom de ulike delene av barnevernet. Samtidig er det dilemmaer i dette, bl.a. fordi små kommuner og store kommuner sier at de har ulike syn på f.eks. det statlige barnevernstilbudet. For å gi et best mulig grunnlag for å diskutere ny organisering har jeg iverksatt en stor evaluering av reformen. Oppgave- og ansvarsforholdet mellom stat og kommune har fått stor plass i evalueringen, og jeg vil bruke kunnskapen som evalueringen gir meg, til å vurdere behov for endringer. Målet er å finne den mest hensiktsmessige måten å organisere framtidens barnevern på – til det beste for barna. Som jeg tidligere har orientert Stortinget om, så tar mål av oss til å fremme en proposisjon med forslag til ny organisering i tide til at Stortinget kan behandle den før denne stortingsperioden er over. over. Vi må også diskutere barnevernets grunnleggende prinsipper – og det er den tredje delen av barnevernsløftet, det som vi har kalt for «Ny prioritering». Mange har reist spørsmålet om terskelen for å ta over omsorgen for barn er for høy. Samtidig er det helt riktig som representanten Horne påpeker, at mange fortvilte foreldre har uttrykt at barn har blitt urettmessig plassert utenfor familien, og at familien ikke har fått den hjelpen som de har ønsket. Representanten Horne er ikke alene om å få den typen henvendelser. Derfor har regjeringen satt ned et offentlig utvalg som nå utreder det biologiske prinsipp i barnevernet. Utvalget ledes av Magne Raundalen. Prinsippet har betydning for om familien skal hjelpes mens barnet bor eller om det er til barnets beste å bo utenfor hjemmet i en kortere eller lengre periode. Utvalget skal belyse det prinsippet ut fra ulike perspektiver og med bakgrunn i oppdatert kunnskap, og de skal levere sin innstilling 1. februar 2012. Jeg regner med at utredningen bl.a. får fram de kompliserte problemstillingene og dilemmaene som barnevernet møter når de vurderer hvilke tiltak som er til Det vil også gi grunnlag for en videre diskusjon om hvordan det biologiske prinsipp skal vektes opp mot de andre prinsippene som skal ligge til grunn for barnevernet framover, ikke minst det som er det aller viktigste og mest grunnleggende prinsipp i barnevernet, nemlig prinsippet om barnets beste og de forpliktelsene vi har i forhold til FNs barnekonvensjon. En viktig rettesnor i alt barnevernsarbeid må være å involvere barna som det gjelder. Derfor er en annen viktig del av diskusjonen om «Ny prioritering» spørsmålet om hvorvidt barnas rett til medvirkning er godt nok ivaretatt i dagens barnevern. Jeg mener at vi fortsatt har en lang vei å gå, og derfor vil det spørsmålet stå sentralt resten av denne stortingsperioden. For at barn under barnevernets omsorg skal ha et best mulig tilpasset tilbud, må vi lytte til hva barna selv sier, og hva de mener. For bl.a. å få innspill fra barn og foreldre med erfaring fra barnevernet satte jeg ned Barnevernpanelet i fjor høst. Barnevernpanelet leverte sin rapport tidligere denne høsten, med forslag til hvordan barnevernet kan bli bedre. Barns innflytelse og medvirkning er et gjennomgående tema i rapporten. Innspillene fra Barnevernpanelet oppfatter jeg som viktige i arbeidet for å styrke og videreutvikle barnevernet. Barnevernpanelets rapport vil sammen med evalueringene og det andre utredningsarbeidet vi har gjort til nå i perioden, være en avgjørende del av kunnskapsgrunnlaget for de lovforslagene som vi vil sende på høring, og den proposisjonen som Stortinget skal få om framtidens Vi skal ha en velferdsstat som gir trygge og gode oppvekstvilkår for alle barn og unge. Vi må rette en spesiell oppmerksomhet mot sårbare og utsatte barn. Gjennom ny kunnskap fra bl.a. forskning, ekspertutvalg og ikke minst fra barn og unge selv har vi et godt grunnlag for å utvikle framtidens Regjeringen vil i 2013 som sagt legge fram en lovproposisjon for Stortinget om tilpasninger i organiseringen av barnevernet. I 2012 vil vi sende forslag på høring, som vil danne grunnlaget for den proposisjonen. Det betyr også at vi har et godt grunnlag for politisk debatt framover og forhåpentligvis et godt grunnlag for å finne brede løsninger og bred enighet om hva som skal være framtidens barnevern. Vi kommer også til å legge fram andre forslag med mål om å styrke barns rettigheter framover, og gjennom proposisjonen som kommer, vil Stortinget få anledning til bredt å debattere framtidens barnevern og hvordan utsatte barn og unge ivaretas på en best mulig måte. Jeg takker for svaret fra statsråden og ser fram til den proposisjonen som skal komme. Det er måte. Jeg takker for svaret fra statsråden og ser fram til den proposisjonen som skal komme. Det er nå engang slik at det er opposisjonens privilegium å få lov til å stresse en slik sak, for det har altså vært fire statsråder – og denne regjeringen har nå sittet i seks år – uten at en har klart å få en konkret sak gjelder barnevernet. Men det var ikke det jeg tenkte jeg skulle si akkurat nå, for det som er viktig, er at vi kan ha en debatt der vi kan lytte til hverandre og ta imot gode innspill. For intensjonen til alle partiene i denne sal er å gjøre det beste for barna. Derfor har jeg lyst til å komme med noen innspill til statsråden knyttet til både framleggelsen av proposisjonen og øvrige tiltak for å sikre framtidens rammevilkår for barna våre. Jeg håper også at noen av de elementene kan bli berørt under den debatten vi får videre.

det er noe som har vært i over 20 år på New Zealand – men det er veldig vanskelig å finne informasjon om familieråd. Derfor håper jeg at man kanskje på et tidspunkt kan diskutere om det er nødvendig å lovfeste retten til familieråd, iallfall gjøre det mye mer tilgjengelig, og opplyse om adgangen til familieråd for dem som har behov for det. Så tror jeg det er viktig å etablere et utvalg så vi kan se på rettssikkerheten i barnevernet. Kravet om at nær familie og slekt først skal prøves, må tydeliggjøres og understrekes. Barn må bli hørt i langt større grad enn hva som er tilfellet i dag, og foreldre må gis rett til en støtteperson. Så vil jeg også si at det blir gjort utrolig mye godt arbeid fra barnevernet der ute rundt omkring i landet. Men jeg tror det er viktig at vi også får igangsatt et kompetanseløft for de Tiltak må også i større grad tilpasses barnas behov, og ikke systemet. Det må i større grad stimuleres til tidlig innsats i mange etater, men spesielt i barnevernet, og ettervernet må rustes opp. Det biologiske prinsippet må vektlegges sterkt. Blir en mor fratatt sitt barn, blir det ofte ikke sjekket om det er en far med i bildet som er familie. Det er sterkt å lese en kommentar i VG fra Ingunn Saltbones om «Barnevern mot slekta». Vi må også tenke interkommunalt samarbeid, større enheter og på en måte som gjør at kompetanse er på plass. Jeg håper vi kan få en god debatt, slik at vi sammen kan bidra til å legge forholdene til rette for et bedre barnevern. Jeg tar med meg de innspillene – jeg synes representanten Horne har levert en konstruktiv interpellasjon og konstruktive innspill. Det er barnevern. Jeg tar med meg de innspillene – jeg synes representanten Horne har levert en konstruktiv interpellasjon og konstruktive innspill. Det er én ting som er ganske påfallende i debatten om barnevernet, og det er hvor mye den har forandret seg på en ti års tid. Før handlet debatten om barnevernet i stor grad om at barnevernet grep inn for mye. I dag er kritikken mot barnevernet veldig ofte at barnevernet griper inn for lite. Vi ser at tilliten i befolkningen til barnevernet har økt betydelig, og jeg tror også at aksepten for og viljen til å si at alt som foregår innenfor familien, ikke er et privat anliggende, er større enn før. Samfunnet har et ansvar for de barna som lider. Men samtidig er det fortsatt sånn at barnevernet kan gjøre feil, og derfor er det også viktig å lytte til de biologiske foreldrene som mener seg dårlig behandlet av barnevernet. Jeg synes at også endringene i Fremskrittspartiets retorikk på dette feltet er et tydelig tegn på at tidene skifter, og at det representanten Horne her sier, er langt mer nyansert enn den posisjonen partiet hadde for noen år siden. Jeg ønsker det velkommen og har lyst til å kvittere med at det er viktig at også vi andre ser den dimensjonen som handler om å ta vare på biologiske foreldres rettigheter. Jeg var opptatt av at de skulle være representert i forbindelse med Barnevernpanelet, og jeg er opptatt av at den biten skal være en tydelig del av den utredningen som nå kommer fra Magne Raundalens utvalg. Det er en tydelig del av det mandatet utvalget har fått. Sånn sett mener jeg vel at det utvalget også er et svar på det utvalget som representanten Horne etterlyste for å se på rettssikkerheten for biologiske familier, hvordan den ivaretas. De problemstillingene er også ment utredet og diskutert i forbindelse med det biologiske Interpellanten nevnte kompetanse, og det er også jeg svært opptatt av. Vi har nå en betydelig utfordring gjennom alle de nye, unge ansatte som kommer inn i det kommunale barnevernet. Det sier seg selv at når vi får bortimot 500 nye ansatte på kort tid, er det mange som kommer ut og skal ta viktige avgjørelser, som har lite erfaring. Derfor er ett av de tiltakene vi nå har satt inn, at vi vil etablere en egen videreutdanning for erfarne barnevernsarbeidere, der de kan lære å videreformidle kunnskap sånn at de kan ta et ansvar for at de nytilsatte får veiledet praksis når de begynner. En annen kompetanseutfordring er knyttet til flerkulturell kompetanse i barnevernet, fordi vi ser at flere familier enn før har minoritetsbakgrunn. Der har vi også et eget videreutdanningsopplegg på gang, i tillegg til tiltak for å rekruttere flere barnevernsarbeidere med minoritetsbakgrunn. Det representanten nevner om familieråd og informasjon om det, tar jeg med meg. Eg vil starte med å gje ros til interpellanten for å ta opp breitt og viktig spørsmål om framtidas barnevern. For å få eit kvalitativt betre barnevern i framtida er det ein viktig faktor at me snakkar med ungane og spør dei korleis dei opplever barnevernet. Korleis dei opplever tilbodet sitt, er avgjerande for at dei skal kunne få best mogleg hjelp. I vinter blei den første brukarundersøkinga blant barn og unge ni år i statlege og private barnevernstiltak gjennomført. Dei resultata er, og blir, viktige for det vidare arbeidet med å heve kvaliteten i barnevernet. Undersøkinga er òg viktig for dei som skal arbeide i barnevernet, og for oss som folkevalde. Det er viktig å halde fram med denne måten å undersøkje tenesta på. Interpellanten tek òg opp spørsmålet rundt det biologiske prinsippet. prinsippet. Eg har sjølv stilt spørsmål rundt bruken av dette prinsippet i tidlegare debattar i Stortinget, og eg ser fram til vurderingane som bl.a. Ekspertutvalet skal gjere rundt dette. Det er barnets beste som skal vere det overordna, styrande prinsippet for barnevernet sitt arbeid, og for at det skal følgjast, meiner eg at det i fleire høve er rett at det biologiske prinsippet må vike. Barnevernpanelet sine synspunkt rundt tidsavgrensing og er rett at det biologiske prinsippet må vike. Barnevernpanelet sine synspunkt rundt tidsavgrensing og føresette sin rett til å anke er interessante, og desse meiningane blir viktige i diskusjonane framover om framtidas barnevern. For nokre barn er det ikkje bestandig slik at det er til deira beste å kome tilbake til dei biologiske foreldra sine, mens for andre vil det vere det aller beste at dei har nær kontakt med dei gjennom heile løpet. Ungar forskjellige. Oppgåva vår må vere å leggje til rette for at me får eit barnevern som til kvar tid arbeider etter retningsliner som er til barnets beste, og som evnar å setje i verk tiltak tilpassa behovet til akkurat det barnet, for prinsippet heiter «til barnets beste» og ikkje «til barnas beste». Eg vil òg seie, som representanten Horne, at metodane rundt bruken av familieråd er veldig interessante. interessante. Her trur eg me har potensial til å utvikle ytterlegare nye metodar. Eg trur òg, som interpellanten, at bruk av slekt og familie i første instans er ein styrke. Komiteen har vore i Bergen og sett på arbeidet med metodebruken der. Eg ser heller ikkje dette som noka motsetning til dei synspunkta eg har elles når det gjeld bruken av

bra. Det betyr òg at barnevernet no får inn fleire meldingar enn før. Men me kan òg lese at det er ein aukande trend i samfunnet med behov for tenester, som kjem av endringar i samfunnsforhold, sosiale forhold og levekår. Eg meiner òg at den gamle nabokjerringa må tilbake. Ja, me må rett og slett bry oss endå meir.

frå. Eg meiner det er viktig for framtidas barnevern at regjeringa har teke initiativ til å evaluere heile barnevernsreforma. Kva skal barnevernet vere i framtida? Skal det vere som i dag, skal det organiserast på ein annan måte, skal det ha dei same oppgåvene, eller ikkje? I tillegg til denne evalueringa er det, som statsråden sa, sett ned utval som skal gje oss innspel til kva som skal vere framtidas barnevern. Eg ser fram til dei innspela, og eg ser fram til dei vidare debattane og stortingsmeldinga som vil kome på barnevernsområdet. La meg først si at det er et viktig tema som interpellanten tar opp, eller rettere, det er et viktig felt, for det er mange mulige innganger i denne debatten. Men interpellanten har selv lagt vekt på barnevernet i sitt innlegg. La meg bare innledningsvis si at fra Høyres side er vi også opptatt av barns innflytelse, og vi ser frem til at det blir gjenstand for en debatt og en prosess i forbindelse med at det bebudes en sak om det. Når det gjelder barnevernet, har det dessverre vært en gjenganger i de seks årene vi har, jeg holdt på å si, drevet på under denne regjeringen. regjeringen. La meg innledningsvis si at det også har skjedd mange positive ting, selv om vi har hatt mange debatter som har vært utløst av alarmerende tilbakemeldinger, hvor opposisjonen, og sikkert også regjeringspartiene, opp gjennom årene har fått mange meldinger som ikke har vært spesielt hyggelige, og som har gjort at dette har vært et tilbakevendende tema. Så ser vi at det har vært økte bevilgninger, og ting går seg til. Men fortsatt er det vel grunn til å reise spørsmålet om grensesnittet mellom kommunene og den statlige organiseringen er god. Statsråden var selv inne på det i sitt innlegg og bebuder en sak om dette om ca. ett år. I lys av at vi nå har holdt på med dette i seks år, så lenge. Men når det nå er slik, er det viktig at det at man fremmer en sak om lang tid, ikke blir en mulighet til å koste ting under teppet og la seg passivisere av å skulle vente på en av å skulle vente på en utredning. Der vil jeg særlig henlede oppmerksomheten på spørsmålet om behovet for praktiske piloter – rett og slett praktisk arbeid som vil kunne gi oss erfaringer og gi innspill til det arbeidet som nå gjøres i denne utredningen. Vi har mange ganger fra opposisjonens side nevnt pilotprosjektet som gikk i Trondheim. Det er eksempel fra en stor by. Men et annet interessant trekk disse årene er at vi ser at svært mange små kommuner har gjort interessante forsøk. De har organisert sitt arbeid i fellesskap – i vi ser eksempler på både tre, fire, fem, og kanskje flere, kommuner, for alt jeg vet. Det dreier seg både om samarbeidet isolert sett mellom små kommuner, og det dreier seg om samarbeidet mellom små kommuner og store kommuner. Dette kunne man kanskje tatt bedre tak i: Man kunne kanskje systematisert det i form av større statlig oppmerksomhet ved å kjøre noen av disse også som pilotprosjekter og gjennom det faktisk høste en del av de erfaringene som man nå har fått gjennom de seks årene som har gått. Et perspektiv jeg gjerne vil ta tak i, i tillegg til dette, er barnefattigdommen. I henhold til Aftenposten er det dessverre slik at vi kan se en økning på 6 500 fattige barn i år. Det er ikke spesielt hyggelig, og det er behov for målrettede tiltak. I Høyres alternative budsjett foreslår vi å bruke 249 mill. kr mer enn regjeringen på slike tiltak. Det dreier seg om styrking av det kommunale barnevernet med 110 mill. kr, det dreier seg om 30 mill. kr for å sikre skoleløse barnevernsbarn utdanning, 20 mill. kr til å styrke oppfølgingen av fosterhjem, og 24 mill. kr til å sikre barn og unges deltagelse i fritidsaktiviteter, for å nevne noe. Det er viktig å kunne arbeide videre med gode, målrettede tiltak i en helhetlig oppvekstpolitikk. Dette tilsier en styrking av kommunene, og det er også et argument for å legge barnevernet til kommunene, rett og slett fordi kommunene har et bedre utgangspunkt for å se helhetlig på barns oppvekstvilkår. oppvekstvilkår. Så får vi komme tilbake til de mange andre perspektivene som vi her kunne ha diskutert. Jeg vil også gi ros til interpellanten for å ha tatt opp hadde gjerne sett at enda flere av partiene på huset hadde vært representert i debatten. Jeg er også glad for at problemstillingen belyses enda bredere enn kun med barnevern, men at vi ser at dette i stort handler om oppvekstvilkår. Demokratiet

full sykehjemsdekning, vi har hatt et bredt nasjonalt politisk prosjekt for full barnehagedekning. Det er barnevernet sin tur! Kristelig Folkeparti venter fortsatt på en forpliktende opptrappingsplan for full dekning også i barnevernet, og vi

at man har fått de forpliktende ambisjonene fra regjeringen om at en faktisk skal sette dem i stand til å gjøre jobben i den nye strukturen. Jeg tviler ikke på at det kommer flotte målformuleringer, men forpliktende ambisjoner med tidsfrister er det vi trenger for barnevernet for å få den forpliktelsen og det politiske løftet vi trenger. Av og til blir statsråden har satt i gang, omtalt med negativ valør her på huset. Nå har nok ikke jeg vært den som har vært eksponenten for det. Men det skal i hvert fall sies at Barnevernpanelets rapport er meget bra, og jeg håper statsråden bruker den. Jeg håper han lytter til de rådene som er kommet, der man sier at anbud og markedstenkningen i barnevernet skader ungenes interesser. Jeg håper statsråden lytter til at utviklingen mot å redusere institusjonsbruken har gått for langt – altså at utviklingen har gått for langt til fordel for fosterhjem. Jeg håper statsråden lytter til det man sier om fosterhjemsvilkår. Det kan ikke være sånn at fosterhjem fosterhjem er en halvveis institusjonsplassering, der fosterforeldrene har ferie osv. Vi må rydde opp i begrepsbruken og avklare hva som er fosterhjem, og hva som er institusjon. Kultursensitivitet er et annet viktig stikkord. Jeg håper statsråden lytter til rådet om tettere samarbeid med familievernet, der også familievernet må settes i stand til å følge opp utfordringene i skjæringspunktet med barnevernet. Så håper jeg statsråden ikke lytter til rådet fra barnevernpanelet om at familier som adopterer, skal kunne motta støtte etter adopsjon. Det er et fundamentalt brudd med hele kjernen i adopsjonsinstituttet. Panelet har ikke levert noen viktige bidrag med hensyn til kanskje en av de viktigste flaskehalsene i Men det krever økt politisk oppmerksomhet, og det har jeg sagt mye om før, så jeg skal ikke gjenta det. Det er en kjempeutfordring hvordan vi møter den veksten vi forventer i barnevernet. Jeg vil bare si at det er ett stikkord der som er viktig hvis vi skal møte den enorme veksten, og det er å mobilisere de ressursene som ligger nær barnet, gjennom familieråd, gjennom storfamilie, gjennom nabolag, lokalsamfunn og kommuner. Det indikerer også at det er i den retningen omorganiseringen bør gå, med mer ansvar til kommunene. I det store og hele er denne debatten først og fremst en debatt om oppvekstvilkår og hvordan vi bygger trygge, varme samfunn å vokse opp i,

oppvekstvilkår. Ikke minst i min tid i justiskomiteen så jeg hvor viktig det var at det var fokusering på forebygging og gode oppvekstvilkår for kanskje å unngå at disse barna havnet i kriminalitet. Likevel ser vi at det er en stor økning i behovet innen barnevernet, og vi ser også en stor økning i behovet innen barnepsykiatrien. Det er liksom det spørsmålet som vi alle stiller oss: Hva er det som skjer? oss: Hva er det som skjer? Og hva kan vi gjøre for å endre dette? Det er noe som alle partiene er nødt til å ta inn over seg, og se om vi kan klare å finne en løsning på den utfordringen som vi har der. Fremskrittspartiet har hatt familien som en av kjernesakene sine i politikken, men også satsing på barnetrygd, kontantstøtte og styrking av helsestasjonene og skolehelsetjenesten, som er viktige bidrag for familiene. Statsråden var inne på at det vil komme en proposisjon. Den kommer før denne stortingsperioden er ferdig. Det er lenge til, og jeg kan dessverre ikke love statsråden at denne debatten om barnevern ikke vil komme opp igjen i denne sal. Så lenge klarer ikke opposisjonen å holde seg, for vi ser utfordringer. Jeg mener at det må kunne være mulig å gi noen signaler samtidig som vi venter på proposisjonen og forslagene – som f.eks. det forslaget som statsråden fremmet for et par dager siden, om at barnevernet skulle få litt mer makt og kunne ha mer kontroll over barn, eller at barnevernsinstitusjoner kunne ha mer bruk av makt. Det dreier seg om sånne signaler, og signaler om tilknytning til

For det biologiske prinsippet er jo at man bruker besteforeldre, tanter og onkler, som er velfungerende og har barn fra før av, og klarer å ivareta et nytt barn, sånn at det barnet kan få lov til å være i nærmiljøet og være sammen med sin egen familie. Det er viktige signaler som jeg mener at denne salen må kunne gi til barnevernet der ute. Men jeg vil igjen få lov til å takke for debatten og ser fram til videre debatt om temaet.

endringer i rettighetsforskriften. Den andre problemstillingen representanten Horne nå var inne på, er knyttet til slekt og nær familie. Jeg grep fatt i det tidligere i år gjennom et rundskriv knyttet til det å presisere at barnevernet alltid skal se på muligheten for plassering i barnets nære nettverk. Så er det jo riktig, som representanten Thommessen var inne på, at de store barnevernsspørsmålene har vært en gjenganger siden 2005, en gjenganger i alle de årene som er gått, ikke bare siden den rød-grønne regjeringen tok over, men først og fremst siden den reformen som ble vedtatt på slutten av den borgerlige regjeringens periode, trådte i kraft. Den ble fremmet av en borgerlig regjering, enstemmig vedtatt i Stortinget, med en rød-grønn opposisjon. Jeg håper at de neste store grepene som skal tas også på struktursiden, kan samle en bredest mulig støtte i Stortinget. Jeg tror det er mulig å finne gode løsninger som mange partier vil være enige i. Men det er klart at det ville være uansvarlig å foreslå nye, store endringer i barnevernet uten en god evaluering av de endringene vi foretok sist. Det har vært en del harselering i Stortinget over de mange evaluerings- og utredningsprosessene som jeg har satt i gang i min tid som barneminister, men jeg tror Stortinget vil komme til å være enig med meg i at det var fornuftig, den dagen vi skal vedta disse store endringene, at vi har et godt kunnskapsgrunnlag for å kunne gjøre det. Når det gjelder tidsplanen, har jeg bare lyst til å understreke at når jeg sier at proposisjonen skal komme om ca. et år, innebærer jo det at vi skal presentere forslagene til endring langt tidligere. Men nå er nå engang regelverket sånn at jeg ikke kan gå rett til Stortinget med lovforslag, de må på høring først. Men det åpner selvfølgelig også opp for bred politisk debatt rundt de forslagene, når de sendes på høring. Det vil skje mye før. Den tidsplanen som jeg skisserer nå, er en mer ambisiøs tidsplan enn den som opprinnelig ble skissert da vi diskuterte bare en melding om barnevernet. Nå er min klare ambisjon at vi skal fremme en proposisjon. Det betyr at Stortinget ikke bare skal diskutere framtidens struktur, men vedta framtidens struktur i denne perioden. Det er mange andre ting vi kunne ha diskutert. Proposisjonen vil ikke bare bli en strukturproposisjon. Den vil også bli en proposisjon om barnevernets innhold. Vi burde hatt en debatt om barnefattigdom. Det er både et spørsmål om overføringer til familiene og om forebyggende tiltak rettet inn mot arbeid og utdanning. Men det får vi komme tilbake til. Debatten i sak nr. 13 er dermed

er jo det slik at Riksarkivet plutselig er en

representant:

presidentens

ja

Så

er det

Det voteres over lovens overskrift og loven i sin helhet. Lovvedtaket vil bli ført opp til andre gangs behandling i et senere møte i Stortinget.

Når det gjelder sakene nr. 14–25, er dette andre gangs behandling av lovvedtak. Siden det ikke foreligger merknader til noen av lovvedtakene, foreslår presidenten at vi behandler dem under ett. – Det anses vedtatt. Votering i sakene nr. 14–25 Det foreligger, som sagt, ingen forslag til anmerkninger. Stortingets lovvedtak er dermed bifalt ved andre gangs behandling og blir å sende Kongen i overensstemmelse med Grunnloven. Forlanger noen ordet før møtet heves? – Møtet er